er den gjennomtenkt, og den er i utgangspunktet god. Den er sånn at den sørger for at de fleste er med og dekker velferden vår. Så er det enkelte utslag i formuesskatten som godt kan diskuteres, det har også Arbeiderpartiet sagt, men det er ikke sånn at vi ønsker å fjerne formuesskatten av den grunn. Når jeg hører en Høyre-representant snakke om formuesskatten som utgangspunkt for næringslivet, blir jeg litt forundret, for er det noen som virkelig har snakket mye om å fjerne formuesskatten, men som overhodet ikke har gjort det, er det nettopp Høyre i regjering. Ja, det stemmer at vi har senket formuesskatten, slik at det er klart for alle. Arbeiderpartiet vil i sitt alternative budsjett øke den med 5,3 mrd. kr. Det vil si at Jernia skal betale enda mer, og Biltema får en enda bedre konkurransefordel. Men jeg kan bruke et annet eksempel for å ta det enda litt nærmere representantens hjemsted. Lundetangen, som jeg antar representanten kan nyte i Skien, er belagt med formuesskatt, mens Ringnes, som står ved siden av, og ifølge meg smaker helt likt, er ikke belagt med formuesskatt. Hvorfor skal det være sånn?
Arbeiderpartiet er åpne om at vi ønsker formuesskatt og mener det er riktig å ha en formuesskatt, og så kan vi godt diskutere noen utslag av den. Men jeg skjønner altså ikke at Høyre klarer – høye og mørke – å gå på talerstolen i Stortinget og snakke om formuesskatten, når de sitter med makten og kunne fjernet den. Lundetangens største problem er at Høyre snakker om formuesskatten uten å gjøre noe med det. Jeg vil egentlig oppfordre representanten Løvaas til å gå hjem gjøre jobben hjemme sammen med andre Høyre-representanter og fremme forslag som gjør at regjeringen eventuelt fjerner formuesskatten, som de er så dypt bekymret for er der. Men den formuesskatten som Lundetangen nå betaler, den betaler de altså ut fra en skattesats fastsatt av Høyre-regjeringa. Kristelig Folkeparti har i en årrekke hatt programfestet en innretning av formuesskatten der det gjort et skille mellom skatt på privat formue og på arbeidende kapital. Etter regjeringsskiftet i 2013 har både den sittende regjeringen og NHO innsett at dette er en klok innretning av formuesskatten, bl.a. fordi den motvirker konkurranseulemper for norske selskaper i forhold til utenlandske selskap som slipper formuesskatt, og fordi skatten er en ekstra tyngende belastning for norsk næringsliv i en tid der det har gått trått. I sitt alternative budsjett foreslår Arbeiderpartiet å øke formuesskatten med 5,3 mrd. kr. Det vil si at lettelsene i formuesskatten på arbeidende kapital, som har hjulpet norske bedrifter – bl.a. verftsindustrien i mitt hjemfylke Møre og Romsdal – gjennom år med lav lønnsomhet og stor gjeldsbelastning, blir nullet ut med et pennestrøk. representanten Aasland at det er rett medisin for en verftsklynge som fremdeles er nede i knestående etter en periode med tøffe omstillinger? Jeg tror det er andre ting som i sterkere grad kunne avhjulpet verftsnæringen, ikke minst noe av det jeg var innom i mitt innlegg: å ha en ordentlig kondemneringsordning for gamle skip, å ha en toppfinansieringsordning gjennom GIEK og ikke minst bedre avskrivningsregler. Jeg tror at det i sum hadde skapt større aktivitet ved norske verft. Det andre jeg tror vi i større grad burde tenkt på, er om vi skal legge spesielle føringer inn mot de virkemidlene vi har, så de faktisk ender opp med aktivitet i norske verft. Enova er et godt eksempel på akkurat det. Til formuesskatten: Det er altså ikke Arbeiderpartiet som har at vi ønsker å fjerne formuesskatten – det er jo de partiene Kristelig Folkeparti identifiserer seg mest med nå. Da mener jeg at det også må være Kristelig Folkepartis oppgave, internt i regjeringen, å argumentere for at man skal fjerne formuesskatten, hvis det er det som er det saliggjørende når det gjelder aktiviteten ved norske verft.
Jeg lyttet vel og gjerne på representanten Aasland, som startet sitt innlegg med å prise planøkonomiens far og gikk over til å fortelle om behovet for kapitaltilgang. Samtidig er partiet villig til å legge ekstra begrensninger på næringslivet ved å legge på enda mer formuesskatt, til noen få. For å følge opp det som representanten Eidem Løvaas kom med: Hvordan synes representanten Aasland at det er å ha et todelt system som slår såpass uheldig ut? Biltema, som ble brukt som eksempel, har da et annet skattetrykk enn tilsvarende og til og med utenlandske eiere. Synes representanten Aasland at det er en grei
Nå kan jeg gjenta at det er ikke sånn at Arbeiderpartiet har som sitt høyeste ønske å fjerne formuesskatten. Det er det andre partier som har. Og formuesskatten rammer ikke bedriftene, den rammer eierne av bedriftene. Jeg tror at hvis en reiser rundt og snakker litt med næringslivet, er det tilgang på risikovillig kapital man i utgangspunktet etterspør. Det gjøres svært ofte, fra svært mange hold, og det er ingen tvil om at de innretningene og de virkemidlene vi har – som langt på vei fungerer – kunne vært både mer kraftfulle og sterkere nettopp for å underbygge de mange mulighetene vi har rundt omkring i norsk næringsliv. Det var noe av det jeg prøvde å få fram i mitt innlegg. Vi trenger nå – i en tid der Norge skal omstilles – flere muligheter mer tilgang på kapital. Jeg tror noe av det vesentlige for å lykkes er at staten i mye større grad er en aktiv og god partner for de mange gode ideene som er ute i norsk næringsliv, sånn at vi kan utvikle norsk næringsliv videre – istedenfor å fokusere ensidig på formuesskatten. Replikkordskiftet er avslutta.

fra Arbeiderpartiet startet sitt innlegg med å varsle at regjeringspartiene ville snakke om at det går godt i Norge, og at det var feil. Nå har jeg tenkt å starte med å si at det går godt i Norge, og det er riktig. Næringslivet blomstrer, færre er arbeidsledige, sysselsettingen øker, og i by og bygd skapes det verdier fra det minste enkeltmannsforetak til de største og tradisjonsrike selskapene både til lands og til havs. havs. Foran dagens debatt har jeg lyst til å nevne det som jeg hørte på nyhetene i dag tidlig. For 15. år på rad har FN kåret Norge til verdens beste land å bo i. Det er greit å ha som et bakteppe for dagens debatt. I gode tider skal vi også ruste oss for fremtiden, og derfor er Høyre godt tilfreds med budsjettet. Det er stødig, det er nøkternt, og det legger til rette for økt verdiskaping og bedre konkurransekraft. Fire av fem nye jobber har kommet i privat sektor,

Vi må innse en gang for alle at vi er i en stor omstilling, og trolig er det slik at i fremtiden vil det være en kontinuerlig omstilling. Utviklingen innenfor bioteknologi og informasjonsteknologi går nå raskere enn vi klarer å ta inn over oss. De mest kreative, de omstillingsdyktige, de raske – de er fremtidens vinnere. Der har Norge et stort fortrinn. Vi er kreative, vi er snarrådige som folk. Vi er svært omstillingsdyktige omstillingsdyktige – et nedarvet instinkt gjennom generasjoners arbeid for å skape mye ut av lite – og vi er raske. En liten nasjon, med ressurser, høyt utdannet befolkning og digital modenhet – faktorer som gjør at vi på mange områder har et forsprang sammenlignet med mange andre nasjoner. Høyre og regjeringspartiene vil understreke viktigheten av et godt skatteregime for næringslivet. Vi endrer nå opsjonsbeskatningen for å gjøre den mer relevant for enda flere oppstartsbedrifter, og vi vil vurdere ytterligere tilpasninger etter hvert.

Anslagene er nå at nær 17 mrd. kr lekker ut av landet, noe som får direkte utslag for både produsenter og handel. Neste år blir det lansert et grensehandelsbarometer, og jeg ser frem til det. Det vil gi oss et bredere kunnskapsgrunnlag for en fornyet vurdering av hvordan grensehandel kan bremses eller reduseres. Høyre vil nok også arbeide med dette i prosessen med vårt stortingsvalgprogram for perioden 2021–2025. Det er et fåtall varekategorier som er hoveddriverne for grensehandel, og felles for disse er at de er omfattet av særavgifter. Det knytter seg også en viss bekymring til tollfrihet for tekstilvarer. Vi har registrert at bransjeorganisasjoner og enkeltforretninger varsler at dette kan slå uheldig ut. Derfor ber vi også regjeringen følge denne utviklingen nøye.

Å gi inntrykk av at lille Norge kan fremforhandle bedre avtaler, er å forlede det norske folk. For alle som ønsker en utredning av alternativet til EØS-avtalen, vil jeg peke på den pågående prosessen i Storbritannia. Der er utredningen, vær så god. I løpet av året har jeg besøkt hundrevis av bedrifter fra det høyeste nord til det dypeste sør. Ingen, ikke en eneste en, har tatt til orde for at de ønsker noe annet enn EØS. Dagens målinger indikerer at en ny regjeringskonstellasjon vil bestå av partier som ønsker å rive denne avtalen i stykker. Når man i tillegg tar med seg at Arbeiderpartiets rike onkler, altså fagbevegelsen, er nær delt på midten i spørsmålet – ja, da ser vi allerede nå konturene av at valget i 2021 kan bli et ja eller nei til EØS. Her er Høyre tindrende klare: På vegne av norsk næringsliv og på vegne av norske ansatte heier vi på EØS-avtalen. Det replikkordskifte. En av de næringene som jeg tror vi skal satse på i Norge i framtiden, er I det budsjettet som regjeringen har lagt fram for 2020, er det kuttet i en av de viktigste musklene reiselivet har felles, nemlig markedsføringen av Norge, med over 50 mill. kr. Det er også kuttet i kulturnæringssatsing på Nasjonale turistveger og i de regionale utviklingsmidlene som fylkene i stor grad har brukt til reiselivssatsing, bl.a. ble Arctic Race of Norway godt støttet av de tre nordnorske fylkene. Jeg lurer på hva ved regjeringens budsjett for 2020 skal legge til rette for at vi får en satsing på reiseliv som en framtidsnæring i Norge? Reiselivet er ikke bare en fremtidsnæring, den er i aller høyeste grad en eksisterende næring som går utrolig godt. Derfor er det også fortsatt betydelige midler som er avsatt i årets statsbudsjett for en videre satsing på reiseliv. Men det er også sånn at når vi i regjeringspartiene ser på bruken av virkemidlene, dine og mine penger som vi skal fordele til andre, skal vi bruke dem på steder hvor det er mest treffsikkert, og hvor det gir mest effekt og flest kroner tilbake. Når en næring stadig går bedre, kan det hende at man skal skru noe ned på den bryteren og heller skru litt opp på andre. Det er ikke sånn at man bare fortsetter å kaste penger etter en næring som går godt. Så lurer jeg litt, for for representanten representerer den rød-grønne siden som på flere områder forsøker å begrenser turismen til Norge – de vil ha skatt på turisme, og de ønsker å begrense cruiseanløp: Hvorfor skal man da markedsføre mer for å bringe folk til et land når man åpenbart har lyst til å forsøke å holde dem unna? Svaret på hvorfor vi skal markedsføre mer er at vi bare har 50 pst. dekning på overnattingsstedene våre, så det er klart at vi dekning på overnattingsstedene våre, så det er klart at vi må ha flere til å besøke det vakre landet vårt. Arbeiderpartiet vedtok på landsmøtet i april å åpne for at kommunene lokalt kan ta inn et reiselivsbidrag fra turister for å finansiere lokale fellesgoder. Det ble tatt veldig negativt imot i april i år da vi vedtok det, men i en debatt

Men det snakkes om at dette kuttet handler om å skru igjen kranen og slutte med å markedsføre. Det er jo ikke riktig i det hele tatt. For det første er det fortsatt betydelige midler igjen, og for det andre foregår markedsføringen, og ikke minst hvordan kundene orienterer seg, på en helt annen måte. Og det er dette som forbauser meg, for det virker som om man skal velge en statisk tilnærming, i stedet for å si at det faktisk er sånn at kundene bruker internett og digitale løsninger, og de orienterer seg kanskje ikke like mye gjennom reisebyråer og de gammeldagse kanalene. Det å da tviholde på det som virket i går, i forgårs og for ti år siden, og si at det er medisinen for fremtiden – vel, sånn tror ikke vi i Høyre at det er. er. I distrikta er reiselivsnæringa svært viktig, og ein berebjelke for reiselivet i distrikta er hotella og distriktshotella. Desse har med dagens fleirtal opplevd ein 50 pst. auke i meirverdiavgifta. Representanten har tidlegare, i sitt innlegg, vore inne på spørsmålet om formuesskatt, og då er mitt spørsmål: Har hotelleigarar i distrikta med denne regjeringa fått ein kraftig reduksjon i formuesskatten, eller har dei fått ein kraftig auke i formuesskatten med denne regjeringa? Jeg tror det er viktig at vi ser på helheten. Jeg legger merke til at Senterpartiet i all sin kommunikasjon rundt budsjettet peker på at de senker en god del avgifter. Det er isolert sett helt riktig, men de øker en god del skatter, og summen for næringslivet, enten det er et lite hotell, en stor bedrift eller et enkeltmannsforetak, er at skattebyrden med Senterpartiets alternative opplegg faktisk øke. Så kan man godt slå hverandre i hodet med den ene avgiften her eller den andre skatten der, men jeg tror nok at de som har skoene på, og som står opp hver dag og går ut for å skape verdier, er mest opptatt av hva som er igjen nederst i høyre kolonne når året er omme. Og der er man med Senterpartiets opplegg faktisk i den situasjonen at man får en mer utfordrende hverdag, en vanskeligere konkurransesituasjon og trolig en dårligere bunnlinje. Når det distriktshotell, er det iallfall ikkje rett det som representanten her hevdar. Eg fekk heller ikkje svar på mitt spørsmål. Representanten har tidlegare, i sitt innlegg og i replikkrunden, vore veldig detaljert på enkeltbedrifter – som Jernia og Biltema. Når eg no stiller eit spørsmål om distriktshotell, må ein forventa å kunna få eit svar. Så eg ber om at representanten svarar på spørsmålet, som gjeld formuesskatt for hotell:

formuesskatten som sådan, har denne regjeringen senket satsen. Hvis jeg husker riktig, er den senket til 0,85 pst. Jeg personlig og Høyre er ikke fornøyd med det, og mener den skal videre ned. Bunnfradraget er også økt. Men for det enkelte hotell har jeg ikke i dag detaljene så jeg kan svare på det konkrete spørsmålet, men jeg skal være veldig glad for å kunne svare representanten ved neste korsvei, når jeg har de detaljene.

En halv million nordmenn drømmer om å starte for seg selv. Dessverre kan det av og til se ut som om det offentlige lar det gå sport i å gjøre livet så vanskelig som mulig for dem som vil skape sin egen arbeidsplass. I Dagbladet den 23. november i år kunne vi lese om gründeren bak Oslo Street Food. Han beskrev for næringsministeren og digitaliseringsministeren den jungelen av skjema og reguleringer han må navigere i for å kunne drive matmarkedet ved Youngstorget her i Oslo. Det kan ta motet fra noen hver. Hvis vi, storting og regjering, virkelig vil oppmuntre folk til å starte og drive sin egen bedrift, er vi nødt til å gjøre noe med byråkrati og skjemajungel. Regjeringen har skjønt dette, og den nye strategien for små og mellomstore bedrifter er en god start. Vi heier på næringsministerens initiativ. Stortingsrepresentanter bør være folkets ombudsmenn. Som medlem i næringskomiteen vil jeg være ombudsmann for dem som vil starte opp, som driver, og som jobber i en liten eller mellomstor bedrift. Et av problemene som mange oppstartsbedrifter møter, er mangel på kapital. Tilstrekkelig tilgang til kapital i de ulike utviklingsfasene for oppstartsbedrifter er helt avgjørende for vekst. Småbedrifter som ønsker å ekspandere, trenger å tiltrekke seg kompetanse, men taper ofte i kampen med større bedrifter som har mulighet til å betale mer for kompetansen. Småbedriftene kan benytte seg av opsjoner som kompensasjon for lavere lønn. Opsjonsordningen regjeringen har innført for småbedrifter, er et skritt i riktig retning, men den må utvides ytterligere for å inkludere flere selskaper i vekstfasen. I budsjettet for 2020 foreslår regjeringen å utvide opsjonsordningen til å omfatte selskap som har maksimalt tolv ansatte, og øke opsjonsfordelen per ansatt fra 500 000 kr til 1 mill. kr. Dette er bra. Men jeg mener at regjeringen bør vurdere hvordan opsjonsordningen kan justeres for at den skal bli enda mer anvendelig for vekstbedrifter. Det vil staten tjene mer penger på på sikt i form av økte skatteinntekter. Jeg ser fram til å samarbeide med finansministeren og næringsministeren om å gjøre opsjonsordningen enda bedre. Color Line-saken viste med all tydelighet at Fremskrittspartiet er sjøfolkenes parti, selv om enkelte prøvde å trekke det i tvil. Nettolønnsordningen er et annet eksempel på at denne regjeringen er på sjøfolkenes side. Under denne regjeringen har ordningen blitt styrket, utvidet og lovfestet. I 2019 er ordningen på omtrent 1,8 mrd. kr. Dette har ført til en netto økning i antall sjøfolk omfattet av tilskuddsordningen fra 2017 til 2018, til tross for krevende tider for næringen. Samtidig er det rekordmange skip som seiler under norsk flagg.

og er opptatt av at tiltak skal virke til sjøfolkenes beste. Det vil også være vår holdning når det gjelder hvorvidt vi skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel, eller ikke. Vi er opptatt av å gå inn for tiltak som virker, og har derfor ikke tatt stilling til om det faktisk er den Det vil f.eks. ikke være en god løsning hvis resultatet blir økte kostnader som på lengre sikt vil føre til redusert lønnsomhet for rederiene og tapte arbeidsplasser. Vi må ikke komme i skade for å svekke konkurransekraften til norsk maritim næring for en kortsiktig gevinst. Utredningen om mulighetene for norske lønns- og arbeidsvilkår ble ferdig i mai i Temaet lønns- og arbeidsvilkår skal omhandles i den maritime stortingsmeldingen som legges fram neste høst. Fremskrittspartiet vil følge med på denne saken, men vi vil ikke trekke konklusjoner før vi ser den helhetlige effekten av dette tiltaket. Det vert replikkordskifte.

når det gjelder norske sjøfolk, er det mer enn intensjonen som er god, for her er også viljen til stede blant de tre partiene som har fremmet forslaget. Vi har til hensikt faktisk å gjennomføre det som to rapporter viser at det er fullt mulig å gjennomføre. Mitt spørsmål er egentlig veldig enkelt: Vil Fremskrittspartiet være med på det forslaget som er fremmet, der en ber om et partssammensatt utvalg nettopp for å få fram vilkårene som må til for å få norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, når regjeringen fremmer en stortingsmelding om det maritime? Fremskrittspartiet er og har alltid vært sjøfolkenes parti. Vi jobber for sjøfolkenes ve og vel. Fremskrittspartiet har også jobbet og fått gjennomslag for en utredning av konsekvensene av å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi har ikke konkludert ennå, på samme måte som Arbeiderpartiet virker å ha gjort i denne saken, men vi skal sørge for at vi fortsatt er på sjøfolkenes side når vi konkluderer i stortingsmeldingen. Det blir jo interessant å se om som bare prater og holder folk med gode ord, eller om de faktisk er et parti som vil gjøre noe for vanlige folk. Nå hørte vi om sjøfolkene. Et annet tema som har versert i høst, er pelsdyrbøndene. Vi har hørt Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsperson bruke ganske sterke ord om det som er lagt fram, at det er uverdig overfor pelsdyrbøndene osv. Han sa det også veldig tydelig i debatten som var i gjaldt lovforbudet, der var det Venstre som vant, men han forsikret om at de skulle få til en ordning som var god. Han sa at de samtidig har vært klare på at de vil følge opp arbeidet med utarbeidelsen av forskriften, slik at den blir i tråd med intensjonene til regjeringspartiene. Da er mitt spørsmål: Er ordningen som nå omfatter kompensasjon til pelsdyrbøndene, i tråd med det som er

men vi har i hvert fall kjempet til det beste for
Eg vil fylgja opp førre replikk litt. Det gjeld pelsdyr. To landbruksministrar frå Framstegspartiet, både Dale og Hoksrud, har sagt at ingen skal tapa på avviklingsvedtaket. Morten Ørsal Johansen frå Framstegspartiet har vore nokså tydeleg på det same, men så kan landbruksministeren og statssekretæren hennar krigar for å få ei best mogleg ordning. Det er jo ganske openbert kven dei krigar mot – dei krigar mot finansminister og partileiar i Framstegspartiet, Siv Jensen. Då er mitt spørsmål, når Framstegspartiet har så mange ståstader i denne saka: Meiner representanten at det tilbodet som er lagt fram til pelsdyrbøndene, er godt nok?

Vi har forbedret den betydelig i prosessen, og vi jobber fortsatt for at pelsdyrbøndene skal bli minst mulig skadelidende. Replikkordskiftet er avslutta. Utgangspunktet for SVs arbeid med statsbudsjettet er

60 pst. innan 2030. Så må det i same tidsperiode etablerast fleire hundre tusen nye arbeidsplassar innanfor næringar som er framtidsretta. Til slutt: Vi ønsker å gjere dette samtidig som vi reduserer forskjellane og styrkjer velferda. Spegelvend til vår politikk er regjeringa sitt løp. Dei har nettopp levert frå seg eit statsbudsjett der dei innrømmer at dei ikkje vil nå forpliktingane Noreg har i 2020. Det er heilt i det blå om ein vil klare 2021, 2022, 2023, osv. fram til 2030. Regjeringa har rett og slett ingen plan for korleis ein skal klare å kome i land med Noregs del av Det verkar ikkje som regjeringa er spesielt interessert i å gjennomføre det heller. Samtidig som det ikkje er noka satsing på å redusere utsleppa, ser vi at det heller ikkje er noko grønt skifte i næringslivet. Tidlegare i år såg vi bl.a. tal frå SSB som viste at det var ei viss auke i investeringane i industri, men den auka var berre innanfor petroleumsindustrien.

og i alle fall innan 2050 skal vi vere karbonnøytrale. Da skal det ikkje vere utslepp i dette samfunnet. Det verkar ikkje som om regjeringa har nokon som helst idé om korleis dette skal skje, og stiller seg på feil side av historia. Dei har ein politikk som favoriserer forureining, favoriserer eigedomsspekulasjon framfor investering i ny industri og favoriserer finans framfor satsing på dei nye

Vi har ei satsing på miljøteknologiordninga – som er underfinansiert, det er langt fleire kvalifiserte søkjarar der enn det er midlar – på 700 mill. kr. Vi oppkapitaliserer det regjeringa kallar for Nysnø, men som foreløpig er som eit snøfnugg å rekne. Vi oppkapitaliserer det med 1,1 mrd. kr, deriblant 385 mill. kr i risikokapital. Vi har

Vi ser på dette som verkemiddel for å få til endring. Dette er også god næringspolitikk, for viss ei næring skal stå seg i framtida, må ho kunne vere mest mogleg miljøvenleg. Og viss Noreg tar posisjonar på desse områda, ser på moglegheitene innanfor maritim sektor, ser på moglegheitene innanfor bioindustri, bruken av dei store biologiske ressursane vi har som samfunn, ligg framtida for Noreg

og noen hundre millioner kroner mindre til satsing på fornybar kraft, etter å ha sjekket noen typiske eksempler. Da kan det være greit å spørre, fordi det er litt uklarhet i dette: Hva blir samlet skattesats for store kraftverk med SVs alternative budsjett, inkludert både økningen i ordinær selskapsskatt og grunnrenteskatten? Det eg antar SVs alternative budsjett, inkludert både økningen i ordinær selskapsskatt og grunnrenteskatten? Det eg antar Nilsen viste til, er SVs stillingstaken til kraftskatteutvalet sine forslag og problemstillingar knytte til det. Dette er ikkje eit felt som ligg til denne komiteen, men vi har vore borti temaet før. SVs hovudpoeng er at det er viktig å sørgje for at kommunane sit igjen med betydelege inntekter frå kraft, nettopp for å skape å etablere ny fornybar kraft. Dette er ein diskusjon som førebels vel er på eit NOU-nivå, men som vil kome inn til Stortinget etter kvart. SVs linje er at vi ikkje ønskjer eit skattesystem for fornybar kraft som gjer det mindre lønsamt å investere, men gjer det meir lønsamt å investere og ikkje minst for kommunane å leggje til rette for

Ønsker SV å avfolke distriktene i landet, og da kanskje spesielt Troms og Finnmark, de fylkene som vi kommer fra, representanten Fylkesnes og jeg? Og er dette et signal om rød-grønn samling, som SV har vært ute med, at dette er politikken som vil føres dersom det blir et regjeringsskifte ved

enn med regjeringa sitt opplegg, fordi regjeringa har satsa så kolossalt på dei som sit på dei store formuane, dei som sit på den store kapitalen. Det er dei som har vore regjeringa sine satsingsområde. SV ønskjer å auke skattlegginga av både rikdom, kapital og forureining, men da sørgjer vi for å kompensere det ved å redusere skattetrykket på arbeid og på vanlege folk. Vi meiner det er både framtidsretta og – ikkje minst – for folk flest.

Representanten Knag Fylkesnes er også blant dem som deler Kristelig Folkepartis oppfatning av at det fortsatt skal være et aktivt importvern for norsk landbruk – igjen et særdeles viktig unntak fra bestemmelsene om EUs indre marked. Så skal vi inn i en valgkamp i 2021. SV krever å få reforhandlet EØS-avtalen. Hva vil representanten Knag Fylkesnes si når han kommer til Honningsvåg, der SV gjorde et brakvalg, og han må forklare sine velgere der at den europapolitikken som SV står for, vil være et sleggeslag mot næringslivet i Nord-Norge? Eg trur ikkje eg skjønte den koplinga der, for SVs politikk er verkeleg til gunst for kystsamfunn som Honningsvåg, både i innretning og i innhald. Tilbake til hamnekonferansen: På

nye bedrifter. Mange oppstartsbedrifter synes det er krevende å lykkes med videreutvikling og vekst i Norge, og opsjoner kan i mange tilfeller avhjelpe mangelen på nødvendig kapital og hjelpe bedrifter til å vokse i en startfase. Vi satser alltid på nye bedrifter og på de små og mellomstore. Jeg er glad for at opsjoner utvides til å omfatte selskap med maksimalt tolv ansatte, og at fordelen per ansatt øker til 1 mill. kr. Vi vet at dette ikke er nok, men det er viktige skritt på veien. Vi skal arbeide for å få på plass enda bedre ordninger framover. Regjeringen legger også til økte klimainvesteringer i dette budsjettet, og jeg er godt fornøyd med at den foreslår å tilføre 700 mill. friske kroner til Nysnø – klimainvesteringer i 2020. Dette innebærer nesten en dobling av kapitalen i selskapet. Norge har sterke bo- og arbeidsmarkedsområder i både byene og distriktene. Dette sikrer folk frihet til å kunne arbeide og bosette seg der de selv ønsker. Et sterkt og grønt framtidsrettet næringsliv gir gode lokalsamfunn der folk kan trives, og distriktene går rimelig godt, selv om enkelte ønsker å gi et annet inntrykk. Næringslivet er avgjørende for levende lokalsamfunn, og sjømatnæringen er en av de viktigste næringene som bidrar til dette. Her om dagen passerte vi 100 mrd. kr i eksport i og vi kan mer. Dette er rett og slett eventyrlig. Det er utrolig inspirerende å reise langs kysten og treffe både kystfiskere og folk i oppdrettsnæringen og høre planene deres og bidra fra Stortinget til å løse utfordringene deres. I årets budsjett er jeg godt fornøyd med at regjeringspartiene har bestemt seg for å opprettholde føringstilskudd med 14 mill. kr til fiskeriene i budsjettbehandlingen. Føringstilskuddet er viktig for å bidra til frakt av råstoff i områder med mer spredt lokalisering av mottak av fiskeflåten. I korte og hektiske sesonger huser velferdsstasjoner fiskerne. Dette er viktige møteplasser for fiskeindustrien og lokalbefolkningen. Velferdsstasjonene drives i stor grad på dugnad gjennom lokale initiativer med en støtte på 2,5 mill. kr, som vi på Stortinget sikrer disse møteplassene med, som er viktige for enkeltpersoner, men også for lokalsamfunnene langs kysten. Både føringstilskudd og velferdsstasjoner er viktig for å beholde lys i husene langs kysten.

Samtidig må vi legge til rette for en videreutvikling av næringen for å skape mest mulig verdier ut av de marine ressursene. Fiskeripolitikken skal sikre bærekraft og verdiskaping i hele verdikjeden og attraktive og konkurransedyktige arbeidsplasser i lokalsamfunn som er avhengige av fisken.

norske landbruksvarer. Det er også viktig med økt eksport av landbruksvarer for å opprettholde antall gårdsbruk rundt omkring i Norge. Landbruk over hele landet er viktig for både biologisk mangfold og klima. Venstre mener at landbruket i likhet med andre næringer må bidra til å redusere utslipp. Derfor var jeg også godt fornøyd med at vi fikk på plass også den satsingen som vi gjør på Mære landbruksskole. Det er viktig for enkeltmenneskers frihet at folk har mulighet til å ha makt over eget liv. Derfor er det viktig at vi også kjemper for de små og mellomstore bedriftene, for det ligger en stor verdi i at samfunnets verdi og makt spres mest mulig ut på flere hender. Det vert replikkordskifte.
av de store seirene til Venstre i regjeringsforhandlingene handlet om pelsdyr. Arbeiderpartiet har vært enig i nedleggelsen av næringen, men når det gjelder håndteringen etterpå, har vi vært dypt uenig. Dette har skapt et stort engasjement, med god grunn, ikke minst i representantens hjemregion, Trøndelag. Den 24. oktober kunne vi lese at representanten hadde vært på besøk på en pelsdyrfarm. Der kunne man også lese at representanten sier at de som driver med pelsdyr, skal være skadesløse når de avslutter næringen. Representanten snakket nå om hvordan han lot seg inspirere når han reiste rundt. Jeg skulle ønske han også lot seg inspirere av folk som nå har det svært vanskelig. Spørsmålet er: Hva betyr det representanten sa, og kan han garantere at alle som driver med pelsdyr, vil bli skadesløse? Jeg husker ganske godt den turen i Markabygda i Levanger kommune. Det var for så vidt ikke bare dialog hele tiden, men jeg fikk også framført deres tydelige meldinger. Det var et gårdsbruk som hadde en delt produksjon, både jeg fikk også framført deres tydelige meldinger. Det var et gårdsbruk som hadde en delt produksjon, både pelsdyr og i stor grad ammekuproduksjon. Et av de spørsmålene som ble stilt, og som jeg også har fulgt opp, var at de syntes det var særdeles problematisk å fortsette med delt produksjon hvis de ikke hadde mulighet til å tjene penger utenfor. Som det ligger i forskriften, er det nå mulig å tjene innenfor ordningen, noe som for så vidt er nytt, og som også representanten har stått på ganske betydelig for. Venstre har hele tiden vært krystallklare, vårt standpunkt er tuftet på dyrevelferd. Det har vi stått på hele tiden. Det som vil verta ståande igjen etter Venstre si deltaking i regjering, er nok at ein har

brev til komiteen frå statsråden som gjer det klart at den kompensasjonen som dei får, vil vera skattepliktig. Meiner representanten at det er rett at ein først skal underkompensera, og så skal staten koma og ta igjen ein betydeleg del i form av
Jeg hører hva representanten Pollestad sier. Gjennom arbeidet etter at vedtaket kom, har det blitt en betydelig økning i kompensasjonen overfor pelsdyrnæringen. På de «roughly» 180 brukene vil det også være en individuell behandling i hvert enkelt tilfelle.

Meiner representanten Skjelstad at dette er ei rettferdig behandling av høvesvis minkprodusentar og reveprodusentar, som han har i sitt eige heimeområde? Representanten påpeker ganske korrekt at en har ganske mange reveprodusenter i Trøndelag, som det også er vist til i en herværende avis som står representanten Pollestad ganske

om dette, at det på rev er et tispetillegg som ikke er på det nivået som det er på mink. Men jeg antar at dette også vil være en god ordning for dem som holder på med rev. Då skal eg gjera mitt siste spørsmål veldig enkelt:

så vidt interessant at representanten Pollestad ikke nevner med et eneste ord hva som står i Senterpartiets eget budsjett. Han velger å se på hva regjeringen legger fram, og det er greit nok,

Vi står sammen med våre regjeringspartnere om en dynamisk skattepolitikk som stimulerer til ny vekst i norske bedrifter etter år med tøff omstilling. Vi legger kristendemokratisk forvalteransvar til grunn når vi arbeider aktivt for et grønt skifte i næringslivet. Vi står i en haugiansk tradisjon der vi løfter fram gründeren som med hardt arbeid skaper ny næringsvirksomhet og bidrar til positiv samfunnsutvikling i sitt lokalsamfunn. Nytt av året er det at Kristelig Folkeparti er en del av regjeringen, og ikke Vi er godt fornøyd med det framlagte statsbudsjettet for 2020, og jeg vil spesielt nevne noen punkt som er særlig viktige for oss når det gjelder næringspolitikken. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 å styrke innsatsen innen grønn skipsfart med til sammen 100 mill. kr, der 80 mill. kr blir satt av til å styrke den eksisterende, midlertidige satsingen under Klimasats for å stimulere til utvikling av klimavennlige hurtigbåter. Fylkeskommunene kan søke om støtte, slik at de kan stille krav om nye klimavennlige løsninger i hurtigbåtanbud. Videre blir det satt av 20 mill. kr til arbeidet med grønn flåtefornyelse av lasteskip. Som representant for et fylke der de maritime næringene står sterkt, er jeg også veldig godt fornøyd med at regjeringen foreslår å bevilge 55 mill. kr til forprosjektering av Ocean Space Centre i Trondheim. Det blir den viktigste nasjonale kunnskapsinvesteringen for framtidig verdiskaping i havnæringene, med det tilhørende konseptet Ocean Space Laboratories, som og fullskala testing av installasjoner ved Ålesund, Hitra/Frøya og i Trondheimsfjorden. Dette er en svært viktig satsing for videre utvikling av vår maritime kompetanse. Kristelig Folkeparti er også glad for at det ble inngått en historisk god jordbruksavtale våren 2019, med en budsjettøkning for avtaleperioden på 720 mill. kr. Det gir grunnlag for en inntektsvekst på 6,25 pst. per Det er særlig økonomien i kornproduksjonen og frukt- og grøntsektoren som blir styrket. Det er viktig for å øke selvforsyningsgraden i norsk matproduksjon. Også årets reindriftsavtale ble historisk god. Rammen for avtaleperioden er økt med 11 pst. i forhold til fjorårets oppgjør. Det førte til en del presseoppslag at budsjettforslaget ikke videreførte bevilgninger til føringstilskudd og velferdsstasjoner for fiskere.

Å øke prisen på utslipp er ikke ensbetydende med å øke den samlede belastningen for fiskeflåten, og regjeringen foreslår å etablere en kompensasjonsordning for flåten samlet som er på nivå med inntektene fra CO 2 -avgiften. For 2020 blir det foreslått en bevilgning på 255 mill. kr. Ordningen er ikke ment å være en permanent løsning for fiskeflåten, og det blir lagt opp til at den skal fases ut over tid. Kristelig Folkeparti vil imidlertid understreke at det er viktig at utfasingen skjer på en slik måte at næringen får tilstrekkelig tid til å gjøre den Ny teknologi skal utvikles og implementeres, og det er viktig at utfasingen ikke skjer raskere enn at hensikten med insentiv til modernisering av fiskeflåten blir oppnådd. Til slutt vil jeg nevne litt om klyngeprogrammet Norwegian Innovative Clusters. Kort fortalt er det en rekke vellykkede industriklynger som nærmer seg utløpet av sin støtteperiode. Det gjelder f.eks. NCE Maritime CleanTech og GCE Blue Maritime Cluster.

Norge. Det handler bl.a. om klimaendringer, som gjør produksjonen mer usikker, og som Forsvarets forskningsinstitutt også påpeker, mat kan bli en strategisk handelsvare som man ikke uten Dette var tidligere landbruksminister Jon Georg Dale uenig i. Han sa at det var ikke noe poeng å ha beredskap av korn, fordi vi ikke visste hva vi skulle beredskapslagre imot. Men Kristelig Folkeparti var likevel med den rød-grønne regjeringen på et positivt vedtak. Så jeg lurer på: Er Reiten nå enig med de rød-grønne eller tidligere landbruksminister i dette spørsmålet?
La meg først få si at jeg har stor respekt for representanten Sandtrøen og det engasjementet han viser for å øke beredskapen i norsk landbruk. Det er målsettinger som vi i Kristelig Folkeparti deler med

i regjering fikk gjennomslag for, i en valgsituasjon, og fikk på plass en halv milliard kroner til å styrke matberedskapen i den tredje verden, ser vi det slik at hensikten er oppnådd: I en større global sammenheng vil matvaresikkerheten bli styrket. Det er avgjørende med matvaresikkerhet for folk enten man bor i et afrikansk land, i et søramerikansk land, i et asiatisk land eller i Norge. Men det konkrete forslaget som Kristelig Folkeparti her stemte for, var nasjonale beredskapslagre for korn – altså å forsterke tryggheten for folk i Norge. Så forstår jeg det nå sånn på representanten Reiten at det ikke har kommet på plass i dette budsjettet på grunn av andre prioriteringer man har gjort. Betyr det da at man kan forvente at Kristelig Folkeparti fortsatt følger opp det felles forslaget som vi da fikk flertall for før Kristelig Folkeparti gikk inn i regjering? Jeg vil ikke stå her å forskuttere noe av det som skal skje i forbindelse med 2021-budsjettet. Det jeg kan si, er at jeg ser at det er en viktig sak for Kristelig Folkeparti som vi ikke fikk gjennomslag for i 2020-budsjettet. Men jeg kan stå her og si ærlig og oppriktig at jeg har veldig lave skuldre når det gjelder det som ble lagt fram, når jeg vet at hundrevis av millioner kroner vil bli brukt til å styrke matvareberedskap og landbruk i de fattigste landene i verden. Når ein Kristeleg Folkeparti-ar slår fast at festen er verden. Når ein Kristeleg Folkeparti-ar slår fast at festen er over, skal ein lytta. Men sjølv om ein er i ein situasjon der ein skal spara pengar, er det klart at beredskap og tryggleik er statens grunnleggjande oppgåve. Senterpartiet deler òg Kristeleg Folkepartis engasjement for og meiner det er veldig viktig. Det som det kunne vore greitt å få konkretisert nok ein gong, når Kristeleg Folkeparti no har snudd i spørsmålet om beredskapslagring for korn, er: Det er ikkje å oppfatta slik at ein meiner at beredskapslager for korn er ein dårleg idé, og at me som land ikkje bør ta opp att tanken? Kan representanten Reiten avklara Kristeleg Folkepartis prinsipielle syn på beredskapslagring? Vi har faktisk programfestet i programmet også for inneværende stortingsperiode at vi ønsker å innføre beredskapslagring ikke bare for matkorn, men også for såkorn. Så er det slik at vi har gått inn i regjering. Vi er kommet i en situasjon der vi ikke lenger står ansvarlig for 3 mrd. kr–4 mrd. kr i et budsjettforlik, men vi må ta ansvaret for et samlet statsbudsjett. I en situasjon med svært trange rammer i budsjettet, fikk vi ikke gjennomslag ved årets budsjettbehandling. Men slik som dette er landet i år, har vi som sagt ro for at det er blitt som det er blitt. Så vil jeg, som sagt, ikke gi noen føringer for det som skal komme i senere års budsjetter. Jeg bare fastslår at det står i programmet vårt fortsatt. Det er gjort ei rekke utgreiingar rundt dette spørsmålet der ein vurderer risikoen. Noko av det som eg ser på som hovudproblemet med desse, er at dei legg til grunn, som ein planføresetnad, at handelen vil gå sin gang uansett kva som skjer. Ser representanten Reiten at det kan vera føremålstenleg at ein òg planlegg beredskap ut frå det perspektivet og det moglegheitsrommet at òg handelen kan bryta saman i lengre eller kortare periodar? Ja, selvsagt må en det. Det som utredningene departementet har fått gjennomført, også sier, er at et slikt fullstendig sammenbrudd i verdens handelsforbindelser er noe veldig dramatisk som først vil oppstå i forbindelse med kriser og krig, og at det da uansett vil være vanskelig å planlegge for en sånn situasjon når vi ikke er der. Da er det ikke bare i tilførselen på korn det vil svikte, da vil det globale handelssystemet rett og slett stanse opp. Da er vi over i problemstillinger og utfordringer som vi i dag

norske eksportrettede arbeidsplasser. Det betyr også at når man skal ha et moderat budsjett, et ansvarlig budsjett, er det ikke penger til alt. Så er det selvfølgelig opposisjonens jobb å kritisere alt det ikke er penger til, men det er altså det aller, aller viktigste overordnet for norsk privat næringsliv. Så har vi allikevel, innenfor den rammen som er – som er raus, det må sies; vi er i en privilegert situasjon i Norge – funnet rom for viktige og store bevilgninger. Vi fortsetter å ha et høyt nivå på bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon – om lag 9 mrd. kr, en kraftig økning av dette siden dette flertallet kom inn. Konkret får Forskningsrådet ekstra midler til å styrke næringslivets egne FoU-prosjekter, og vi styrker basisbevilgningen til de teknisk-industrielle instituttene. Det er viktig. Dessuten satser vi på Innovasjon Norges innovasjonslånsordning. Det er en god og effektiv måte å sikre at flere gründere og flere vekstkraftige bedrifter får litt drahjelp, på. Det mobiliserer også mer privat kapital enn rene tilskudd. Forenklingsarbeidet fortsetter. Vi har et mål om å forenkle med 10 mrd. kr i perioden 2017–2021. Det skal redusere bedriftenes tid og kostnader til Det skal redusere bedriftenes tid og kostnader til innrapportering til det offentlige, og det gir da også mer tid til å drive butikk. I 2020 fortsetter vi bl.a. arbeidet med å revidere og utvikle sammenslutningslovgivningen, slik at næringslivet får et tydelig og hensiktsmessig regelverk. Det er også et viktig tema i den egne strategien for små og mellomstore bedrifter, som vi la frem tidligere i år. fire viktige ambisjoner: en enklere hverdag for bedriftene, bedre tilgang på kunder, økt innovasjonsevne og god nok tilgang til kompetanse og kapital, men rettet inn mot de små og mellomstore bedriftene, som på mange måter er ryggraden i Bedrifts-Norge, og som for øvrig – hvis man skal tro tall fra NHO – er viktigere jo lenger ut av de store byene man kommer. En annen viktig satsing er på ikke et stort beløp, men det er viktig at Konkurransetilsynet i forbindelse med revidert budsjett fikk økte budsjettrammer for å styrke håndhevingen av dagens konkurranselov i dagligvarebransjen – noe mange sikkert har fått med seg resultatet av hvis man har fulgt med i mediene. Denne satsingen ble videreført og gir et godt utgangspunkt for tilsynets arbeid. I tillegg er det store utgifter i forbindelse med alt det som koster penger og må gjøres, men som ingen politikere ville ha valgt å bruke penger på først, hvis man kunne velge fra en meny, bl.a. 638 mill. kr for å fortsette arbeidet med å sikre forsvarlig håndtering av atomavfall og atomanlegg. Det er enorme summer, og dette kommer til å bli mye, mye dyrere i fremtiden, men det må gjøres. Vi fortsetter satsingen på hav og på teknologiutvikling knyttet til de maritime næringene, ikke minst med god forskningsinfrastruktur og gode testfasiliteter og 55 mill. kr til forprosjektering av Ocean Space Laboratories. Romfartssatsingen fortsetter også, med sterk satsing videre inn i ESAs frivillige programmer. Dessuten bidrar vi til det grønne skiftet, som er i gang i privat norsk næringsliv. De som påstår at privat norsk næringsliv ikke er opptatt av eller i gang med det grønne skiftet, kan ikke ha besøkt mange bedrifter. En av tingene vi gjør, er å bidra til at Nysnø klimainvesteringer får økt investeringskapital, med 700 mill. kr i egenkapital til selskapets investeringer i 2020. Vi har også foreslått et nytt mandat for Investinor. Investinor. Det er helt i tråd med kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger, som er at vi skal ha mer fond-i-fond-investeringer, først og fremst. De tilføres også kapital, og Investinor kommer til å få en viktig og sentral rolle i virkemiddelapparatet i Norge fremover. Så er det et mer praktisk spørsmål hvorvidt man da justerer på, lukker umiddelbart eller lukker over tid direkteinvesteringsmandatet. Jeg har lagt merke til at flertallet – det dreier seg da om regjeringspartiene, vi snakker litt sammen – mener vi ikke skal gjøre noen nye endringer i direkteinvesteringsmandatet nå, før man ser på resten av virkemiddelgjennomgangen. Det skal jeg selvfølgelig følge opp. Til slutt har jeg lyst til å nevne at selv om det er vanlig å behandle eierskapsmeldingen og fullmaktene om nedsalg i forbindelse med den, anser jeg det som helt uproblematisk at man allerede nå ønsker å slå fast at statens eierandel i Telenor beholdes. Det blir replikkordskifte.

2 -avgift for en rekke industribedrifter. De begrunner dette med EØS-avtalen, noe jeg har forstått det sås tvil om. Men jeg tok opp saken og nevnte Yaras ammoniakkproduksjon på Herøya, som kan komme til å betale så mye som 25 mill. kr mer i CO 2 -avgift. Næringsministeren ble utfordret på dette av

kan vel si – en viss glede at finanskomiteens medlemmer fra regjeringspartiene også har sagt at dette burde Finansdepartementet se litt nærmere på, og også hvordan dette harmonerer med EØS-regelverket. Så til slutt: Arbeiderpartiet sier aldri noe om hva som er deres alternativ. Så vidt jeg kan lese, er Arbeiderpartiets alternativ at de skal – gjennom en såkalt avtale – betale full CO 2 -avgift, også for Yara.
kan avklare det med én gang. Hvis Yara hadde inngått en avtale, slik Arbeiderpartiet har foreslått, hadde det ikke medført at en skulle betale full avgift, men redusert avgift, slik som Yara skal betale, fordi de allerede ligger inne under kvotepliktig sektor, og det er helt unaturlig at de skal betale dobbelreguleringer, eller dobbel avgift, på dette. Det er forundringsverdig at en næringsminister fra Høyre faktisk på ingen måte ser noen grunn til bekymring så lenge det er dobbelt bokholderi og dobbelavgifter, eller dobbeltbetalinger, for dette som Yara er innom her. «Dette er håpløs klimapolitikk og elendig næringspolitikk,» som Stein Lier-Hansen sa, men det er ingen tvil om at kostnadene til gass øker så lenge en ukritisk legger på avgiftene. Og da er mitt spørsmål til næringsministeren veldig konkret: Mener næringsministeren at det ikke er noen grunn til bekymring når en øker kostnaden over natten med 25 mill. kr? Dette blir jo bare en gjentakelse av mitt forrige svar, for det var omtrent samme spørsmål, eller replikk. Jeg tar på høyeste alvor alt som privat norsk næringsliv kommer og forteller oss. Derfor synes jeg også det var klokt av nettopp regjeringspartiene å ha en flertallsmerknad hvor man sier at dette er en problemstilling man har bitt seg merke i, bl.a. fordi prinsippet fra Stortinget er jo at man i utgangspunktet ikke ønsker en regulering med både CO 2 -avgift og kvoter. Men så må jeg litt tilbake til det som representanten svarte om sitt eget alternativ. For så vidt jeg forsto, sier han at man da skal opp på – med Arbeiderpartiets avtale – det som er EUs minstekrav, nemlig 30 kr. Hvis en skulle hatt full CO 2 -avgift, ville det vært 500 kr. Da må en stille seg spørsmålet: Når Arbeiderpartiet er så høye og mørke i denne saken, høres det ut som egentlig bare gjennom en avtale skal opp på akkurat det samme nivået som regjeringen foreslår i dette budsjettet? Nå følte jeg at det var jeg som ble stilt spørsmål til her. Det er ingen tvil om at slik som Arbeiderpartiet har foreslått det, er det avtaler vi ønsker å inngå, altså egentlig at de ikke skal fjerne unntaket, viser det med all tydelighet. Men dette er et klassisk eksempel på at det er dårlig industri- og næringspolitikk som blir ført, og det rammer også mange av de andre bedriftene som ikke er i en kvotepliktig sektor, men som er inne i en situasjon hvor det f.eks. er privat eierskap som skal ivaretas, og hvor kanskje CO 2 -avgiften øker langt mer enn det denne regjeringen har klart å redusere f.eks. formuesskatten. Men jeg konstaterer at næringsministeren synes kanskje det er en god ordning, det regjeringen har foreslått. For å få et tydelig svar: Mener næringsministeren at det er riktig å påføre disse bedriftene denne CO 2 -avgiften og fjerne unntaket for dem som er i denne porteføljen, og som sånn sett har fått dette innkrevd over natten, de vil alle sammen betale det fra 1. januar 2020? Det er to svar på det. Det første svaret er at regjeringen selvfølgelig står bak sitt eget budsjett. Men det andre er: Nå husker jeg ikke statsministerens sitater ordrett, må jeg si, selv om hun er min sjef, men statsministeren har vært veldig opptatt av å presisere at ulikt tidligere regjeringer – ingen nevnt, ingen glemt – skal det ikke være slik i denne flertallsregjeringen at ulikt tidligere regjeringer – ingen nevnt, ingen glemt – skal det ikke være slik i denne flertallsregjeringen at man ikke tar noen diskusjoner etter at saker har kommet til Stortinget. Det er faktisk lov også for en flertallsregjering å ha diskusjoner på Stortinget. Det er lov for våre fire partier å engasjere seg, møte folk og også gjøre justeringer i budsjettet, som man jo har gjort – det er flyttet på 200 mill. kr. Da konstaterer jeg at de fire regjeringspartiene har laget en merknad i finansinnstillingen hvor dette kommer frem. Hvilket resultat det vil gi, er selvfølgelig umulig å si, men jeg ser frem til å høre mer fra bl.a. Yara om hvilke konkrete utfordringer de vil få. Nå har Yara for øvrig i media ikke bekreftet tallet 25 mill. kr, men jeg har også hørt det brukt.

I Rogaland har me ein porselensprodusent, og det er Figgjo AS. Eg synest det er strålande at ei bedrift klarer å produsera i Noreg i ein så tøff marknad. I budsjettet i år var det dei som tapte. Dei fekk CO 2 -avgift på gassen dei bruker i industriproduksjonen – ein snau million kroner i avgift. Meiner statsråden at det er god næringspolitikk å driva med denne avgiftsbingoen? Jeg har svart på den konkrete saken. Det er proveny på rundt 60 mill. kr. Figgjo er for øvrig en kjempeflott bedrift. Jeg har møtt dem, og de er gode og flinke. Jeg mener at summen av regjeringens politikk er god næringspolitikk. Fordi vi vet at vi skal gjennom et grønt ikke fordi det ikke har omstillingskostnader for norsk næringsliv helt generelt, men fordi det er viktig at norsk næringsliv er en del av det grønne skiftet for å kunne tjene penger og levere arbeidsplasser i fremtiden. Helt konkret om denne lukkingen av avgiftsfritaket for naturgass er det noen EØS-problemstillinger her – EU har et minstekrav på 30 kr, som vi har lagt oss på, som man må ha i CO 2 -avgift. Det er også sånn, som jeg viste til tidligere, at finanskomiteen har sagt de ønsker at Finansdepartementet, som er konstitusjonelt ansvarlig, skal se på

Meiner statsråden at det i framtida vil vera ein god idé å greia ut skikkeleg og ha på høyring og sjekka ut EØS-samsvaret ved nye avgifter før ein legg dei fram i statsbudsjettet? Dette forslaget er selvfølgelig utredet godt og grundig. Når jeg sier EØS-lovligheten, knytter det seg ikke til at en ikke skulle hatt den økningen – det er bred enighet i Stortinget om at man på de områdene hvor det er nødvendig og forurensende – det knytter seg til om en skulle unntatt f.eks. bedrifter som også er en del av kvotepliktig sektor. Her er det, noe som også er helt åpent i forslaget, en del bedrifter som er en del av kvotepliktig sektor og i utgangspunktet får en ekstra avgift fordi de har naturgass. For noen er dette veldig lite, mens det for andre enkeltvirksomheter kan være større beløp, noe som for øvrig også er omtalt i saken.

vasskraft. Dei ser at dei no blir utkonkurrerte av aktørar som produserer med langt høgare utslepp i utlandet, og som får oppdraga i Noreg – offentlege aktørar – gjennom innkjøpsreglementet. Eller f.eks. Celsa, den einaste stålprodusenten vi har i Noreg, halvparten av utsleppa som europeiske produsentar gjer, ser at dei stadig oftare blir utkonkurrerte fordi ein bruker offentlege innkjøp berre med omsyn til pris. Det er ikkje miljøvenleg. Kvifor vil ikkje regjeringa stille dei same krava til innkjøp som til produksjon for industrien? Nå er jeg ikke helt sikker på om jeg forstod spørsmålet. Stortinget har

snarere tvert imot, at regjeringen ønsker flere grønne og innovative innkjøp. Vi ønsker også at der det er relevant, skal miljø vektlegges. Det handler nok mye om å gjøre dette ikke minst gjennom å bygge kompetanse i innkjøpsleddene, også ute i kommunene. For øvrig er Ulefos en super bedrift. Jeg har vært der. Replikkordskiftet er omme. Min gode partifelle som nå er varaordfører i Vågan, Lena Hamnes, har sagt det så godt: Fisk er verdier, makt og penger. Samfunnet vårt er

kysten. Vi har over tid sørget for en bærekraftig forvaltning av de rike ressursene våre. Det gir forutsigbarhet, og fellesskapet har hatt kontroll med ressursene. Det skal vi være stolt over. Men dette er ikke noe som kommer av seg selv. Vi er nå inne i en tid hvor det tjenes gode penger på fisken, det være seg villfisk eller oppdrettsfisk. Det er bra, men det er også mange grunner til bekymring framover. Stadig flere ressurser faller på færre hender. Det er dyrt og krevende å komme inn i næringen. Kvoter selges dyrt, og de enkelte blir stadig rikere. Kysten fortjener satsing, å bli lyttet til. Den fortjener forutsigbarhet. Denne høyreregjeringen satser ikke på kysten. Man prater mye, men det er vel lite som er så irriterende som

Da trenger man tilgang på råstoff, og alle tiltak som bidrar til det, må vurderes. Skal vi få folk til å ville jobbe i industrien og sikre Norges omdømme, må vi ha ordnede forhold på havet og på land. Men oppslag etter oppslag om ulovligheter, både på flåte og land, vitner om at det som i flere tilfeller foregår, er rett og slett et ran av fellesskapets ressurser. Vi ser det i kongekrabbesaken. Vi ser at det er Vi ser det i kongekrabbesaken. Vi ser at det er cowboytilstander i deler av turistfisket. Vi ser det når arbeidsfolk utnyttes grovt, på sosial dumping og det som verre er. 15. oktober i 2018 sa Nesvik, litt humoristisk, at de som driver med fusk, skal få 120 kilo og 194 cm etter seg døgnet rundt. Spørsmålet blir jo: Hva gjør fiskeriministeren? Hva gjør regjeringen, bortsett fra å sove i timen? Det er nå 2019. Man foreslår å kutte i permitteringsordningen for fiskeriindustrien. Det er spesielt og jeg ville sagt uvitende når man begrunner endringen med at man får mer innleie. Det er altså en ønsket utvikling. Det er en stor utfordring at fiskeindustrien, spesielt hvitfiskindustrien, ofte er utsatt for driftsstans på grunn av mangel på råstoff. Derfor må man ha et regelverk, slik at man holder på ansatte og ikke mister viktig kompetanse. Det er sånn at ting er ute av kontroll. Våre felles fiskeriressurser blir gjenstand for cowboyvirksomhet og ulovligheter. Det rammer de mange som driver lovlig, både på sjøen og på land, men det rammer også omdømmet vårt som sjømatnasjon. Her må det tas grep raskt. Vi trenger flere arbeidsplasser, helårige arbeidsplasser langs kysten, mer verdiskaping, levende kystsamfunn – ja, lys i husene, som vi bruker å si, og det er riktig. Vi har ressursene rett utenfor husdøren til evig tid om vi forvalter dem riktig. Da trenger vi handling – og gjerne straks.

enn hva vi skal leve av. Det er nesten som om en tror at oljeinntektene vil være der, selv om oljesektoren legges ned. På Vestlandet virker dette som en bisarr og teoretisk øvelse som dessverre er høyst virkelig. Fellesnevneren for de næringene eller arbeidsplassene en peker på som ønskelige, er at de er grønne – det er bra men også at de er ulønnsomme og tungt subsidiert. Det første er jeg for. De siste kan ikke gi oss noe annet enn mindre velferd. Når politikken blir en konkurranse om å melde seg ut av det lønnsomme, er det på tide å rope varsku. Det er på tide å få tilbake stoltheten over det vi produserer, og vi trenger å produsere mer. Vi trenger lønnsomme virksomheter som bidrar med skatteinntekter. Ellers blir politikken som Arbeiderpartiets forslag på næringsfeltet: stadig tyngre skattebyrder på verdiskapende virksomheter og eiere, som reduserer evnen til lønnsomme investeringer, og som brukes til å dele ut til såkalte satsinger. Det vil si satsinger: Det er ikke slik at en får igjen det en betaler inn. I dette budsjettet tar Arbeiderpartiet inn rundt regnet seks–syv ganger mer fra næringsliv og

som flere av partiene har pekt på – ikke alle, men flere av dem – har langt større virkning for lønnsomheten i disse bransjene enn det føringstilskuddet eventuelt vil ha. Ingen var noen gang for å fjerne føringstilskuddet. Det skulle løses på en annen måte. Da snakker vi om en størrelsesorden på hundrevis av millioner mot noen tjuetalls millioner. Men til tross for disse diskusjonene går det bra, spesielt til havs. Fiskeri- og havbrukssektoren satte i år eksportrekord. 100 mrd. kr er nådd for første gang, før året er omme. En politikk som gir lav kronekurs, gir halvparten av gevinsten. Resten er hardt arbeid – dette til tross for en algekrise i Nordland som ødela produksjon og store potensielle eksportinntekter. Men en fantastisk innsats har berget mye. Til sammen står denne sektoren for halvparten av veksten i det som i dette tilfellet noe misvisende kalles fastlandseksporten. denne sektoren for halvparten av veksten i det som i dette tilfellet noe misvisende kalles fastlandseksporten. Den økte med 100 mrd. kr de siste seks årene mot en økning på 7 mrd. kr de seks årene før det. Tre fjerdedeler av denne eksporten står havbruk for. Folk vil satse fordi de siste årenes statsbudsjett har gitt optimisme, sysselsetting og verdiskaping. Omstillingen er i gang, og den går bra. Vi er mindre, ikke mer avhengig av oljen nå. Folk har det bedre nå enn for seks år siden. I en tid med ansvarlig økonomisk politikk og er det noen som vil sette alt dette på spill. Sjømatnæringen og andre næringer har ikke bruk for utredninger om alternativet til EØS-avtalen, de har bruk for at vi slutter opp om EØS-avtalen. Lettvinte uttalelser om at vi alltid har fisken vår, undervurderer fullstendig konsekvensene av å si opp en avtale som sikrer oss veterinæravtalen, som gjør at fisken ikke må stå og vente på grensen, i trailer, og som hindrer at vi taper tid, penger og kvalitet på de produktene vi har mens de står i kø, automatisk produktgodkjenning som betyr at vi ikke trenger å få ekstra godkjenning av våre produkter – kort sagt at vår sjømat svømmer fritt. Frihandelsavtalen fra 1973 behandlet fisk på samme måte og med de samme hindre som landbruksvarer. Det er ikke et alternativ vi ønsker oss tilbake til. Det er vel det representanten Barth Eide kalte offensive og defensive interesser, og jeg vil si at det handler om hva vi skal leve

Disse 987 er flotte representanter for landbruket og gir håp for framtiden. Landbruket er en stedbunden næring. Vi har landbruk over hele landet. Distrikts-Norge er en del av vårt fellesskap og vår identitet. Regjeringens landbrukspolitikk er en næringspolitikk. Den norske bonden er selvstendig næringsdrivende. I næringspolitikken er næringsavtalene de budsjettmessig viktigste virkemidlene. Bevilgningen til reindriftsavtalen økte med vel 10 pst., og det er mer enn noen gang tidligere. Avtalepartene prioriterer tiltak som støtter opp om dem som har reindrift som hovedvirksomhet, og det styrker reindriften, som er en både økologisk, økonomisk, og bærekraftig næring. Årets jordbruksoppgjør legger særlig til rette for kornproduksjon og innovasjon i frukt- og grøntsektoren. Dette er produksjoner med markedsmuligheter. Dessuten legger årets avtale særlig vekt på rekruttering og kompetanse. Framtidens næringsliv er grønt, smart og nyskapende, og det er kunnskapsbasert. På landbruks- og matområdet foreslår regjeringen å bruke totalt 685 mill. kr på forskning og utvikling, bl.a. med tanke på klimatilpasset matproduksjon og utvidet sesong for norsk grønt, bær og frukt.

Mange kommuner har utfordringer med veterinærtjenesten. Derfor viderefører regjeringen ordningen med øremerket tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Mattilsynet har utfordringer med forvaltningskvaliteten i sitt tilsynsarbeid. Den eksterne granskningsrapporten fra KPMG vil bli publisert i morgen. Det er en rapport jeg vil følge tett opp, i dialog med Mattilsynets ledelse. Vi er helt avhengig av å ha en styrket tillit til Mattilsynet. Vi er helt avhengig av å ha en styrket tillit til Mattilsynet. Så har det vært en krevende sak for alle, men mest av alt for dem som driver med pelsdyr. Jeg har lyttet til de innspillene i høringsrunden om ny forskrift, om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold. I arbeidet med den endelige forskriften har jeg sett hen til avkastningen pelsdyroppdrett gir. Det betyr at svært mange minkoppdrettere kommer bedre ut. Dette nye alternativet for kompensasjon er standardisert, men basert på lønnsomhetsvurderinger gjort av NIBIO. Ut fra de samme foretaksøkonomiske analyser er det også fra NIBIO gjort den samme analysen overfor ser at der er det ingen eller marginal lønnsomhet av et gjennomsnittlig anlegg for oppdrett av rev hvis det tas hensyn til driftskostnader og egen eller leid arbeidsinnsats. Det er ikke gjort tilsvarende endringer for reveoppdrett. Men dette vil jeg følge tett, og hvis det viser seg at det for enkeltprodusenter, vil vi se på og vurdere å justere ordningen. Det er også sånn at vi har fått en melkeproduksjon hvor vi på grunn av at Jarlsberg-ostens eksportstøtte faller bort etter WTO-avtalen, nå går inn med 200 mill. kr fra statens side for å bidra til utkjøp av melkekvoter. Dette viser at regjeringen tar ansvar for næringen også i krevende omstillingsperioder. Verdens klima er i endring, og vi må gjøre enda mer for å bekjempe klimaendringene og tilpasse landbruket for å takle et varmere, våtere klima. Jeg er stolt over at regjeringen derfor har fått til en klimaavtale om reduserte utslipp og økt karbonopptak sammen med landbruket fram mot 2030.
Det åpnes for replikkordskifte.

Under annen verdenskrig var vi direkte okkupert og sånn sett hardere rammet av krigen på land, men vi hadde tatt en historisk lærdom og hadde sikkerhet med korn på lager før krigen brøt ut. Det gjorde faktisk at den første perioden av annen verdenskrig var beredskapsmessig lettere å håndtere knyttet til mat. I dag ser vi en regjering som har forlatt de historiske erfaringene. erfaringene. Det går klart fram av papirene som regjeringen har sendt inn til statsbudsjettet, at man har et mer teoretisk forhold til dette. Men er det sånn at Bollestad, som ansvarlig for maten, vil ta på alvor de historiske erfaringene Norge har? Er det noe regjeringen tar på alvor, er det beredskap. For det første har vi lagt til rette for mer produksjon av vi har lagt til rette for lokal tørking, og vi har lagt til rette for beredskap av såkorn. I tillegg legger jeg merke til at Arbeiderpartiet selv legger inn 30 mill. kr til et beredskapslager. Men det vi har fått beregnet, er at det vil koste over 450 mill. kr å lage et beredskapslager etter de dimensjonene som skal gjelde for tre måneders kornlager, i tillegg til 50 mill. kr for å drive dette. 30 mill. kr vil ikke engang holde til tolv dagers kornforbruk. Derfor ønsker vi å bruke pengene på en bedre måte for å sikre beredskapen i Norge. Forskjellen på dette har jeg oppklart for landbruksministeren før. Det er sånn at Norge importerer korn, så forskjellen vil være at vi bare kjøper litt ekstra korn i en periode. så forskjellen vil være at vi bare kjøper litt ekstra korn i en periode. Det relevante her er å se på lagringskostnaden. Det andre er som en investeringskostnad. Men tilbake til det relevante, historiske spørsmålet: Historien viser at Norge kanskje er et av landene i verden som er mest sårbart plassert geografisk. Det samme skjedde jo under napoleonskrigene, da Norge ble hardt avskåret og manglet mat på land. Det jeg lurer litt på etter den fine replikkvekslingen med representanten Reiten,

For det første støtter jeg Reiten helt i at det å sikre matproduksjon, beredskap og å ta ned konflikter i de landene som har minst, skaper stabilitet også for oss. Det gir et bedre marked når en sikrer at de som har minst, i alle fall får tilgang på dette.

da kommer krisen til å være så stor. Men erfaringen fra annen verdenskrig viste at det nettopp var meget relevant å ha ekstra mat på lager, for vi vet at hvis det først bryter sammen i et samfunn og folk er sultne, bryter også samholdet og samfunnsstrukturen sammen. Jeg vil til slutt høre landbruksministerens syn på det. Er kornlagring et aktuelt sikkerhetstiltak i både større og mindre kriser enten det er snakk om klimaendringer eller sammenbrudd av handelsmønstre i verden? Beredskap vil alltid være viktig. Det er klart at når en sto i verdenskrigen på 1940-tallet, var – helt riktig – potetlager en viktig bit av Men når vi har fått beregnet hva tre måneders beredskap vil bety, tenker jeg at vi i alle fall må klare å ha flere tanker i hodet på en gang. Det vil si at vi klarer å legge til rette for å få ned et konfliktområde konfliktområde hvor en ser at det vil bli krangel omkring mat. Da må vi hjelpe dem som har minst, først, for det stabiliserer markedet i verden, og så må vi hele veien overvåke dette. Men det vi til enhver tid har snakket om, er tre måneders lagring for norsk kapasitet, for vi klarer ikke å lagre for mange år om gangen. Det tror jeg også Sandtrøen er klar over.

og statsråden er svært oppteken av å fortelja at det aldri har vore intensjonen å gje full erstatning til pelsdyrbøndene. Det kan ein gjerne argumentera for økonomisk, juridisk og på mange måtar, men mitt spørsmål er: Er ikkje staten moralsk forplikta til å dekkja det økonomiske tapet som folk lir på grunn av ei politisk avgjerd, som det forbodet mot hald av

Så har en i fellesskap med de fire partiene i Stortinget jobbet for å øke denne, og nå ligger det et anslag på 850 mill. kr. Det er vanskelig å si hva som er full kompensasjon. Det har hele veien ligget kompensasjon og tid i ordningen. Det betyr at man kan avslutte når man får mest igjen for det man driver på sin gård når det gjelder pelsdyr, og så er det kompensasjon for pelsdyrholdet som vi som stat er forpliktet på. Det har vi sagt vi skal kompensere, men ikke full erstatning. Men kompensasjon og tid ligger i ordningen som er forelagt Stortinget. Statsråden seier anslaget er 850 mill. kr. I dokumenta frå regjeringa skriv ein 800–850 mill. kr. No har det òg kome fram at staten gjev, og staten tek, så det skal skattast av desse pengane. Kor stort er beløpet når staten har vore og forsynt seg med skatt? Takk for spørsmålet.

Det opptar meg mye. Vi pløyer i stor grad – som før. Vi bruker kunstgjødsel i stor grad – som før. Vi har erosjon – som før. Og vi slipper ut klimagasser i jordbruket i stor grad – som før. Kan statsråden på kort sikt være villig til å stimulere til mindre intensiv drift f.eks. gjennom saueraser med færre lam, kuer med mindre avdrått – kombinasjonsku er et stikkord – 50 pst. sjølberging med kraftfôr inkludert, altså import, import, der statens posisjon i jordbruksforhandlingene jo er ganske vesentlig, og kan hun med hånda på hjertet si at norsk jordbruk er bærekraftig på lang sikt? Er det noen næring i dette landet som har endret og redusert klimaavtrykket sitt over tid, er det norsk landbruk. Norsk landbruk har vært villig til å endre produksjonsformer, brukt nytt utstyr, tatt inn over seg ny kunnskap for å redusere klimaavtrykket fra det landbruket de har. I verdensmålestokk er norsk landbruk blant dem med lavest klimaavtrykk. I tillegg er det av de landbrukene som har best dyrevelferd og av de landbrukene som har best dyrevelferd og lavest bruk av antibiotika. De bruker også ny teknologi for å regne ut presis gjødsling og ikke minst med tanke på hvordan man bruker skog og agronomi for nettopp å være med og ta et

og underskuddene utenom petroleumseksporten er for store. Arbeiderpartiet vil ha en mer rettferdig utvikling av Norge og vil sørge for at det er framtidshåp for arbeidstakere, unge folk og familier, uansett hvor man bor. Da må verdiene fra naturressursene våre komme det brede lag av befolkningen til gode gjennom at vi har lokale arbeidsplasser. arbeidsplasser. Det er grunnen til at vi bl.a. har et sterkt engasjement i dette statsbudsjettet for at vi skal reise en sterkere skogindustri her til lands. Vi har laget en pakke fra planting til produkt. For hvis vi skal ha en sterk industri i framtiden, må vi naturligvis ha nok ressurser. Det starter med tanken om at skogen skal brukes, men den skal forvaltes og fornyes. Derfor vil vi øke investeringene til skogplanting. Det geniale med tre som materiale er at karbon bindes gjennom veksten i treet. CO 2 fanges, og dermed renser treet vekk CO 2 fra luften, og karbonet blir i skogen også etter at vi har laget produkter av det. Jo flere ganger vi kan bruke denne ressursen, et tre som er hugget, gjennom å resirkulere materialet og bruke det på nytt, jo lenger blir bindingen. Sånn tenker vi at vi samlet sett kan få til en binding fra skogressursene i Norge som er over dobbelt så stor som den vi har i dag. Derfor vil vi konkret ha et anlegg i Norge som kan gjenvinne trematerialet og gjøre det så rent at det kan brukes på nytt i industrien. Det øker den samlede ressurstilgangen til industrien og er et av de mest framtidsrettede, men også mest miljøvennlige prosjektene vi kan gjøre industrielt. Dette anlegget må vi bygge i nærheten av eksisterende industri, sånn at man kan forsterke grunnlaget for vekst og verdiskaping i vår skogbaserte industri. For virkelig å få fart i verdiskaping og ikke minst klimagassreduksjon mener vi at vi kan bruke tre i enda større grad i store konstruksjoner. Det gjøres i dag med stort hell og vi vet at gode massivtreprosjekter er på gang. Det samme gjelder det å bruke limtre i brokonstruksjoner. Sånn kan vi slå to fluer i en smekk – vi får både reduserte klimagassutslipp og større verdiskaping ut av samferdselsprosjekt i Norge. For det er sånn at for oss henger industri og demokrati tett sammen. Mange lokalsamfunn i Norge har utviklet seg og eksisterer i dag fordi det har blitt tatt avgjørelser, bl.a. i denne salen, som har gjort det mulig å få jobb der, og som senere har utviklet bærekraftige, levedyktige samfunn. Derfor er næringspolitikken og industripolitikken som vi diskuterer i dag, rett og slett et verktøy for de overordnede målene som vi i Arbeiderpartiet har for samfunnet vårt. Det er frihet for arbeidstakere og familier og sterke fellesskap der vi har troen på at morgendagen blir litt bedre enn dagen i dag, fordi vi ser at samfunnsutviklingen går i retning av bedre fordeling og framtidsutsikter for det brede lag av befolkningen. Det er vår industrielle visjon på felt etter felt, og skogen vil være en del av den pakken som vi skal leve av i framtiden. At det går godt i hele Norge, er

framtiden. At det går godt i hele Norge, er bra, og i dag fikk vi som kjent nyheten om at Norge igjen er kåret til verdens beste land å bo i. Man skulle kanskje ikke tro det når man hører opposisjonen uttale seg. Høyre i regjering er opptatt av at rammevilkårene for norsk næringsliv skal være de aller beste. Framover blir det flere eldre per yrkesaktive, og når vi vet at økonomien må omstilles til større verdiskaping i privat næringsliv, er privat næringslivs rammevilkår viktig. Selv om det i dette statsbudsjettet ikke er muligheter for opposisjonen til å kritisere oss for store skattekutt, har vi gjennom våre tidligere statsbudsjett redusert skatter og avgifter med

I jordbruksavtalen som ble framforhandlet mellom partene i vår, ble det gitt en inntektsvekst på i snitt 20 600 kr per årsverk i jordbruket. Dette er mer enn hva andre yrkesgrupper fikk. Gjennom denne avtalen ble kornøkonomien styrket kraftig, og dette var viktig for å styrke økonomien for kornbøndene, men også for å tydeliggjøre kanaliseringspolitikken.

I det siste har vi besøkt fruktbønder både i Ulvik og i Gloppen. Her fikk vi både sett og hørt om resultatene av den styrkingen som regjeringen har gitt frukt- og grøntbøndene på Vestlandet. Gjennom de siste årenes jordbruksavtaler har regjeringen bidratt med en egen tiltakspakke for innovasjon og vekst i grøntsektoren – investeringstilskudd er økt, og tiltak Både i Ulvik og i Gloppen kunne vi høre om gode resultater av denne styrkingen som er skjedd overfor denne næringen. Her er det stort potensial for vekst, men det er viktig at den veksten skjer der hvor forholdene er best for fruktdyrking. Samtidig er det viktig at norsk jordbruk kan møte et klima i endring. For er det noen som virkelig rammes av klimaendringene, er det bonden og hans næringsvirksomhet. En god klima- og miljøprofil er avgjørende for et bærekraftig landbruk. Jordbruksavtalen dreier landbruket i en mer miljø- og klimavennlig retning. Samlet er bevilgningen til miljø- og klimatiltak over avtalen nå på over 5 mrd. kr, inklusiv areal- og Jeg ønsker også å gratulere partene med å ha inngått en klimaavtale, hvor det er satt som mål at jordbruket skal redusere sine utslipp med 5 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i perioden 2021–2030. For å bedre rammevilkårene for bøndene kuttet også regjeringen skattene til bonden som selvstendig næringsdrivende gjennom at jordbruksfradraget ble økt til

bor. Der det er lønnsomt, har de kommersielle aktørene vært villige til å bygge ut bredbånd, men i vårt langstrakte og kronglete land er det steder det ikke er grunnlag for kommersielle investeringer. Da stiller regjeringen opp. I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å bevilge 256 mill. kr i bredbåndstilskudd. Den globale etterspørselen etter sjømat er økende. Norge er verdens nest største sjømateksportør. Hver dag serveres det 37 millioner norske sjømatmåltider i

Eksportverdien av norsk sjømat i 2018 endte på 99 mrd. kr. Veksten fortsetter i år, og allerede i forrige uke passerte vi en viktig milepæl ved at eksportverdien hittil i 2019 er på over 100 mrd. kr. Dette bidrar til både store verdier og stor aktivitet i hele landet. Det skyldes hard innsats fra dem som jobber i næringen. Vi ser også resultatet av en finanspolitikk

og bedrifter gjennom å satse på muliggjørende teknologi og ny kunnskap. Regjeringen vil bygge opp under en næring som etableres og drives på en miljømessig forsvarlig måte. Vi arbeider for å sikre forutsigbarhet og konkurransedyktige vilkår, slik at veksten i næringen kan fortsette. Trafikklyssystemet er et eksempel på igangsatte tiltak for kapasitetsjusteringer. Dette systemet for regulering av produksjonskapasitet ivaretar både miljøhensyn og de mulighetene oppdretterne har for å ta utviklingen videre. For oppdrettsnæringen betyr teknologiutvikling også mulighetene for å sikre best mulig miljøstatus. Digitalisering, automatisering, fjernovervåking og styring gjennom internett og tilgang til å utnytte store datasett, såkalte «big data», er på vei inn i Verktøyene bidrar til økt kunnskap om produksjon, bedre overvåking av fiskehelse og miljø og gir en betydelig effektiviseringsgevinst. Norge har hatt en global lederrolle i kampen for rene og sunne hav. I regjeringens havpolitikk er det lansert et eget bistandsprogram mot marin forsøpling, og regjeringen har i statsbudsjettet også foreslått å styrke arbeidet mot marin forsøpling ved bl.a. å øke bevilgningen til

Vi har store utfordringer globalt som krever rask omstilling for at man skal være konkurransedyktig. Næringen består av små og mellomstore aktører, og regjeringen har i høst lagt fram en strategi nettopp for små og mellomstore bedrifter. Små og mellomstore bedrifter er grunnfjellet i norsk næringsliv. Disse bedriftene er avgjørende for livskraftige samfunn over hele landet. Fiskeri- og sjømatnæringen er en innovativ næring som trenger mer kunnskap og ny teknologi for å bidra til økt verdiskaping. Regjeringen foreslår å bevilge 10 mill. kr over Havforskningsinstituttets budsjett til å bygge opp et overvåkingssystem i kystsonen som bl.a. skal kunne varsle om algeoppblomstring. Fiskeri- og sjømatnæringen har et utrolig stort potensial for Norge, og regjeringen griper tak i de mulighetene som er for å sikre lønnsomhet og

Som jeg også sa i mitt innlegg, har det vært mye diskusjon om føringstilskuddet denne høsten. Det er jo noe fiskeriministeren har ivret veldig for å kvitte seg med – i hvert fall vil han ikke betale for det tilskuddet, som er så viktig for de mange mottakene vi har langs kysten vår. så viktig for de mange mottakene vi har langs kysten vår. Regjeringspartiene på Stortinget har innkassert en seier, som jeg kanskje tenker det var litt tidlig å innkassere, men man mener at man har berget det. I merknaden fra flertallet står det at en ny ordning bør innføres, men at det bør skje over tid. Mitt spørsmål til fiskeriministeren er: Hvordan tolker fiskeriministeren dette? Er det sånn at dette er noe som – uansett ordningen som fiskeriministeren har lagt fram – skal innføres, bare over litt lengre tid, eller er nå føringstilskuddet berget? Jeg tolker det slik som det faktisk står. Det viser at man på Stortinget har et stort engasjement for nettopp denne næringen. I tillegg har de forstått hva regjeringen faktisk

Derfor vil statsråden følge opp det regjeringspartiene i Stortinget har bedt meg om å gjøre, og sørge for at de resterende midlene utover det som bevilges fra Stortinget i dag, føres opp gjennom inndratte midler. Det vil statsråden gjøre, og forskriften er allerede ute på
er at ting går ikke opp om det ikke skal gå ut over noe annet. Det har fiskeriministeren gang på gang prøvd å avvise, men både næringen og andre er enig i det jeg også har sagt flere ganger. Blant annet har en partikollega av fiskeriministeren, Dagfinn Olsen fra Nordland, som kanskje er et ikke ukjent navn for ministeren, sagt: «Fiskeriministeren foreslår ei ordning som avhenger av at folk i fiskerinæringa begår Hva er det representanten Olsen fra Nordland ikke har forstått? Jeg antar at jeg skal svare på spørsmål og ikke hva folk måtte mene, for jeg har dessverre ikke en glasskule som gjør at jeg kan se inn i hodet til folk. Det håper jeg at representanten Myrseth også aksepterer. Men jeg kan i hvert fall si hva som har vært meningen med selve måten å innrette det på: Føringstilskuddet har ingenting med kriminell virksomhet å gjøre når det gjelder inndratte midler og finansieringen av tilskuddet. Inndratte midler kan dreie seg om at et ringnotfartøy får for stor fangst, som gjør at det som går utover kvoten, blir inndratt. Man har ikke gjort noe ulovlig, men midlene inndras som følge av at man har oversteget kvoten. Det er rart at representanten Myrseth synes det er helt greit å bruke de samme midlene til kontrolltiltak, kvalitetstiltak osv. Dette er penger som kommer inn uansett, og bakgrunnen for mitt opprinnelige forslag er knyttet til

på høring, seg nettopp om at man skal prioritere kontrolltiltak og føringstilskudd – det presiseres i så henseende. Og de oppsparte midlene knyttet til posten inndratte midler hos fiskesalgslagene, forventer man bl.a. skal brukes til

å differensiere? Den differensieres på den måten at man deler inn i tre grupper, for vi vet at det er ulike faktorer knyttet til de ulike fiskeriene. Vi vet at noen fiskerier medfører at en må bruke relativt stor motorkraft for bl.a. å dra trålen etter seg. Vi vet også at i forbindelse med kystfiske etter reker, bl.a., er det relativt høye kostnader ut fra mindre fangst. Derfor deler vi disse tingene inn i grupper ut fra den refusjonsbiten, altså 1,06 kr, som det henvises til, som er slik at man kompenserer for de ekstrautgiftene man har. I tillegg er det helt åpenbart at vi forventer at næringen selv gjør en del tiltak for å få ned CO 2 -utslippet. Det gjøres innenfor en rekke områder allerede. Vi har sett det innenfor servicebåter og i oppdrettsnæringen, og det å skifte til ledlys på større fartøy får også ned CO 2 -komponenten fordi en bruker mindre drivstoff til energi. Alle disse tingene hjelper. Dermed får vi en grønnere næring, forbrukerne kommer til å kreve det.

ordningar, ikkje minst føringstilskotet. Det må vere interessant for statsråden å sjå at hans eigne partifellar på Stortinget går imot anbefalingane hans og ønskjer at denne ordninga skal bli vidareført. Dei ser noko som statsråden ikkje ser frå regjeringskontora, at dette faktisk vil gå ut over både kystfiskeri og industri, mindre fangst på land, osv. Korleis opplever statsråden å kystfiskeri og industri, mindre fangst på land, osv. Korleis opplever statsråden å vere ein statsråd som heile tida er i krig med næringa og ikkje jobbar saman med ho? Det er ikke statsråden, og det er langt ifra den opplevelsen statsråden har. Jeg reiser land og strand rundt, ser på og lytter til næringen og gjør en rekke ting for næringen. Vi har en næring som setter historiske rekorder knyttet til eksport, vi har bedrifter som går så jeg føler ikke det som representanten henviser til. Når det gjelder føringstilskuddet, som nok en gang er tema her, gjentar jeg enda en gang: Det har ikke vært tema å fjerne føringstilskuddet. Det har vært tema å endre innretningen på hvordan man betaler for det av offentlige midler. Vi mente det var riktig å overføre dette til salgslagene. Stortinget har sagt at deler av dette skal bevilges på samme måte. Jeg har, etter alle mine år her som stortingsrepresentant, stor respekt for Stortingets arbeid og gjør akkurat som Stortinget har bedt om. Det er ingen som følgjer med på denne sendinga som verkeleg trur på statsråden. Her ønskjer ein faktisk å springe frå ei rekning og overlate rekninga til fiskesalslaga. Sånn er det, det veit vi. Det er ingen ting statsråden her kan vri og vende på for å få den sanninga til å endre seg. Det er nettopp difor statsråden sine eigne partifellar fann ut at dette går faktisk ikkje. Her har vi nokre overordna fiskeripolitiske mål som regjeringa med på same måte som med mottakinga av fiskerimeldinga frå statsråden. Ein skulle verkeleg ta tak i kvotepolitikken i dette landet og fekk heile næringa mot seg på dei aller vesentlegaste punkta. Og sånn har det gått. Da er spørsmålet til statsråden om han vil kome tilbake til Stortinget med forslag i neste runde der han vil trekkje ut tilskot som nettopp aukar verdiskapinga langs kysten og aukar mottaket av fisk. Jeg tror jeg nok en gang må replisere til representanten Knag Fylkesnes at inndratte midler ikke er fiskesalgslagenes midler. Det er bl.a. Stortinget og regjeringen som gjennom forskrift regulerer hvordan man kan bruke inndratte midler. Derfor har jeg nettopp sendt ut på høring forslag til endring i forskrift som tilsier at inndratte midler bl.a. skal brukes til særlig to prioriterte tiltak. Det er for det første kontrolltiltak knyttet til fiskerinæringen og til ressurser, og for det andre føringstilskudd for å sikre industrien – at man får på plass denne ordningen, slik at den blir finansiert opp. Det har ikke vært aktuelt å fjerne ordningen. Det ber jeg snart om respekt for, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har svart representanten Knag Fylkesnes på dette i diverse sammenhenger.

Det gjør vi fordi Norge aldri har vært så oljeavhengig som vi er nå. Vi kjøper varer fra utlandet for 250 mrd. kr mer enn det vi selger varer for – hvis man ser bort fra inntektene fra olje og gass. Da regjeringen Solberg tok over i 2013, var det tallet 170 Det betyr at det går i feil retning når det gjelder handelsbalansen vår. Vi har blitt enda mer avhengige av inntektene fra olje og gass, og det skjer samtidig med at oljepengebruken i kroner over statsbudsjettet er doblet i samme periode. Da blir et offensivt næringsbudsjett viktigere enn noen gang. I dag sysselsetter norsk olje- og gassnæring Det tallet kommer til å gå ned, selv om det ikke kommer noen store endringer i norsk energipolitikk, for norsk utvinning skal ned, selv med de planene som foreligger i dag. Selv om vi fortsatt skal utvikle olje- og gassnæringen, trengs det alternativer – for å skaffe både inntekter til landet og nye arbeidsplasser. Reiselivet er lokalisert i hele landet og er en viktig distriktsnæring. Allerede i dag sysselsetter reiselivet 175 000 mennesker, og reiseliv har sterke utsikter for vekst i årene som kommer, både globalt og i Norge. På global basis er det regnet en 50 pst. økning i reiselivet fram mot 2030, altså bare de neste ti årene. Dette er en av de næringene som kan skaffe mange nye arbeidsplasser i

Norsk Reiseliv, NHO Reiseliv og Virke reiseliv har understreket at arbeidet med å profilere Norge heller burde vært styrket. Regjeringen støtter seg på to rapporter som viser at markedsføringen ikke har gitt gode nok resultater når de gjør kuttet sitt. Arbeiderpartiet ønsker å bruke disse pengene og mener at arbeidet heller burde vært forbedret og målrettet enn kuttet. Mange av reiselivets organisasjoner er kritiske til rapportene som regjeringen bruker til å legitimere kuttet, og mener det er et tynt faglig grunnlag. Det viktigste for Arbeiderpartiet er at dette er en næring vi ønsker å satse på, det er en framtidsnæring. For mange mindre kjente reiselivsdestinasjoner er satsingen på reiseliv gjennom Visit Norway avgjørende. Det muliggjør den støtten Visit Norway gir til alle destinasjonsselskapene rundt om i landet når de skal reise ut for å møte turoperatører og selge inn nettopp sin destinasjon. Selv om vi har en fin økning i overnattingsdøgn i Norge, er økning i overnattingsdøgn i Norge, er det fortsatt bare 55 pst. belegg på norske hoteller, og det tilsier at vi har muligheten hvis vi klarer å få flere til å velge å besøke vårt vakre land. Samtidig må de spre seg ut over året, og de må besøke flere regioner. Derfor foreslår Arbeiderpartiet 30 mill. kr mer enn regjeringen til satsing på å fremme Norge som reiselivsland. Det er grunn til å peke på at de to økningene i moms for reiselivet som er gjort under denne regjeringen, fra 8 via 10 til 12 pst., ikke har gitt noen økt konkurransekraft til næringen. Særlig er det beklagelig at endringene har kommet med to måneders varsel, noe som gjør regjeringen uforutsigbar og har gjort det vanskelig for næringen å tilpasse seg. Samme korte varsel var det da man innførte flyseteavgift. Kuttet i profilering kommer dessverre ikke Det er også borte penger fra kulturbudsjettet for å satse på reiseliv og kultur, og det er et kutt på Nasjonale turistveger på 25 mill. kr. Men det viktigste er kanskje at de regionale utviklingsmidlene er så kraftig kuttet. Da Arctic Race of Norway ble skapt, var det viktig at det Arbeiderparti-styrte Næringsdepartementet bidro, men sannelig var det også viktig at de tre nordnorske fylkene folkefesten og den markedsføringen som Arctic Race of Norway har blitt. Dessverre viser budsjettet at regjeringen nedprioriterer dette arbeidet videre. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

fra denne næringen over tid, og nå melder næringen at alle røde lamper lyser. Det hadde vært å håpe at næringsministeren – og for så vidt også landbruksministeren – hadde sett og forstått disse signalene og reagert deretter, men regjeringen kommer i sitt budsjettforslag med smuler og kaldt vann til denne næringen. Arbeiderpartiet har derimot lyttet, og vi vil bedre for hestenæringen med 100 mill. kr allerede fra 2020, for det er nemlig den som genererer disse om lag 16 500 årsverkene rundt omkring i hele landet – mange av dem gode kompetansearbeidsplasser også ute i distriktene, ikke minst. Så til en annen sak som er en utfordring for norske arbeidsplasser. Grensehandelen setter nye rekorder, og SSB anslår at den nå er oppe i svimlende 17,6 mrd. kr de siste tolv månedene. Virke og NHO ringer i alle klokker – de sier at dette er uholdbart, og ber regjeringen om å ta ansvar, komme med grep for å redusere handelslekkasjen og sikre norske arbeidsplasser og norsk verdiskaping. Da er spørsmålet: Hva sier næringsministeren til utfordringen fra NHO og Virke på temaet grensehandel? Det burde være et område statsråden kunne engasjere seg i. Vi regner vel ca. 1 000 arbeidsplasser per milliard, så det er arbeidsplasser å hente dersom man ønsker det. Vi husker jo at minst ett av regjeringspartiene vi har i dag, var ganske høyt på banen og lovte at dette skulle de rydde opp i bare de kom inn i regjeringskontorene. Nå setter altså grensehandelen nye rekorder. Norge mister verdifulle arbeidsplasser i handelsnæringen. Det ansvaret ligger på regjeringens bord, og jeg lurer på hva slags svar regjeringen da har til Virke og til
skaper store verdier. Fisken eies av det norske folk i fellesskap. For at eierskapet skal realiseres i praksis, må nye generasjoner slippe til i næringen. Det er ikke rekruttene stoppes av rådyre kvoter og konsesjoner, slik som nå. Ressursene må forvaltes av departement og direktorat i henhold til norsk lov. Det er tvilsomt om fiskeriforvaltningen gjør det, noe som vil bli belyst av Riksrevisjonen i en rapport som ventelig vil bli Senterpartiets synspunkt er klart: Dersom fiskeriforvaltningen følger loven, vil fiskeriene sikre verdiskaping og arbeidsplasser i lokalsamfunn langs hele kysten. Regjeringens budsjettforslag vil føre til sentralisering av fiskeriene. Vi vil derfor i vårt forslag til budsjett reversere regjeringens kutt og innføre tiltak for å styrke fiskeriene og fiskeindustrien. Senterpartiet mener regjeringens forslag til statsbudsjett vil ramme dem som har sitt virke på sjøen, ved at de stadig fremmer forslag om å kutte velferdstilbud, noe som nok kanskje mest rammer den minste flåten, som lander mest fisk som går til best betalende anvendelse, og som ofte mangler gode nok fasiliteter om bord. Dagens regjering svekker også virkningen av fiskerfradraget og kutter i næringstiltak som har betydning for fiskernes arbeidshverdag. Senterpartiet vil beholde tilskudd til fiskernes velferdsstasjoner og øke fiskerfradraget. Hvert år tas det opp betydelige mengder fisk via det såkalte turistfisket. til rette for et turistfiske, men vel å merke et som legger igjen verdier lokalt, og som opptrer innenfor gjeldende og nytt regelverk, som innskjerper vilkårene for næringen. Derfor må næringsfiske skjult som turistfiske stoppes. Dette fisket ødelegger for norske interesser og lokale arbeidsplasser. Senterpartiet foreslår å skjerpe kontrollen med dette fisket

som største eier, gå inn med egenkapital i det prosjektet de har der. Arbeiderpartiet har satt av 60 mill. kr i egenkapital til Andøya Space Center for å bygge opp under denne satsingen. Vi bevilger også penger til fiskerihavna på Andenes, der mange næringsdrivende har lyst til å etablere seg, på det arealet som blir en konsekvens av denne fiskerihavnutbyggingen. Dessverre har regjeringen stanset all satsing på fiskerihavn fra den

det meste av våre forskningsmidler på å forske på helse, men vi klarer i veldig liten grad å omgjøre det til bedrifter på samme måte som en del land rundt oss klarer det. Vi har ønsket å satse på katapultordningen, så vi kan bidra til å kommersialisere forskningsresultater. Det mener vi kan skape muligheter framover. er interessant å høre høyrepartienes store tro på formuesskatt. For det er jo et spørsmål om tro og mindre om fakta når man sier at kutt i formuesskatten skaper arbeidsplasser. Finansdepartementet har blitt spurt om det flere ganger: Kan det dokumenteres dynamiske effekter av at man driver med formuesskattekutt? Nei, det kan ikke det. Men man vet at de som har penger – de som har de store formuene – blir rikere. Det er heller ikke sånn at alle som har formue og betaler formuesskatt, driver en egen bedrift. Det kan ikke være sånn at det eneste vi skal beskatte i dette samfunnet, er arbeid. Da vil det bli vanskelig å få finansiert vår felles velferd framover. Jeg har også lyst til å nevne at for Arbeiderpartiet er det særs viktig at Brønnøysundregistrene har tilstrekkelige bevilgninger, så de kan ha en effektiv saksbehandling, for det sparer næringslivet for utgifter. Derfor har vi økt bevilgningene til Brønnøysundregistrene for neste år, for de driver med å utvikle et nytt saksbehandlingssystem og må drifte to parallelt i en del år framover. I tillegg er det ganske store økte utgifter til informasjonssikkerhet for Brønnøysundregistrene. Framover er

med 200 mill. kr de distriktsrettede virkemidlene, der regjeringen har kuttet over 1 mrd. kr. Det er penger – som regjeringen sjøl skriver i budsjettet – som gir flere arbeidsplasser og bedre inntjening. Da går man rett løs på det og kutter der. Det er SV veldig uenig i. Det er godt anvendte penger, og det blir arbeidsplasser av dem i distriktene.

Vi ønsker også at vi skal ha en rentekompensasjonsordning for nødvendig infrastruktur i kommunene som følge av ekstremvær. Vann er en så viktig ressurs for enkeltmennesket og for alt næringsliv. Det er også en næring i Norge. Norsk vann er ganske stort. Her kan vi kombinere offentlig innsats med helt nødvendig infrastruktur og ta vare på en av de viktigste ressursene vi har, nemlig rent vann.

Nei, de får ikke kompensert de ekstrautgiftene de har i de første anbudene der det er veldig dyrt. Mange må da telle på knappene, for nå har jo fylkeskommunene fått kuttet sine budsjetter og må stramme inn på område etter område. Der er næringen frampå, og der er fylkeskommunene frampå. Derfor sier SV: La oss nå ta de pukkelkostnadene som fylkeskommunene har, og legge inn som et prinsipp at anbud i kollektivtrafikken heretter skal gjelde nullutslipp. Det vil utvikle norsk næringsliv, og det vil gjøre offentlig sektor bærekraftig framover, for da har vi både skapt arbeidsplasser og kuttet i til klimagassutslipp. Og jammen er det noen som har tjent penger også. Inndelingen i komiteene og Stortingets arbeidsdeling er

Det er arbeidsplasser, det er det vi lever av. Derfor vil jeg benytte denne anledningen til å peke litt på de næringene også, og hvor viktige de er som nav i, som sagt, et økosystem av industri. Både kraftkrevende industri og annen industri bygger på etterspørselen og ressursene som disse skaffer til veie. Derfor er det litt foruroligende i dette budsjettet at der man før har hatt en enighet, når skattene er blitt satt ned for vanlig selskapsskatt, har man justert kun renteskattesatsene tilsvarende, slik at disse næringene ikke har fått nyte godt av den nedsatte skattesatsen. Det er for så vidt helt greit med hensyn til en grunnrentevurdering, men samtidig ser vi i de budsjettforslagene som nå er lagt fram, der en øker skatten på alminnelig inntekt, at en ikke har tatt hensyn til at man skal håndtere det på samme måte, med forslag om skatteøkning. Det betyr at det kan se ut som om flere av opposisjonspartiene har levert forslag der man skal legge på en toppskatt i tillegg til særskatten. SV sier det for så vidt rett ut. Det gir for min del av landet en liten utfordring. Det betyr at de investeringene og den etterspørselen som kommer fra denne bransjen, disse to store bransjene i min region, vil bli mindre, og det vil ramme min del, vår del, av landet sterkere enn andre. Det betyr mindre etterspørsel og mindre utbygging av fornybar kraft, og det betyr mindre etterspørselsvirkning fra oljeindustrien. Når en her sier at vi er blitt mer avhengig av oljen, ser det litt annerledes ut for min del av landet, der vi vet at antall sysselsatte har gått ned, der inntekten som del av BNP har gått ned, der inntekten som andel av statsbudsjettet har gått ned, og der vi har mistet en god del jobber i den prosessen. Før snakket vi om 300 000 jobber, nå snakker vi om 220 000 jobber. Det skjer ting her, og det er ikke riktig at vi har blitt mer avhengig av oljen, tvert imot: Vi har blitt mindre avhengig av olje- og gassindustrien i løpet av de siste

Senterpartiet vil flytte landinger og produksjon av fisk hjem til Norge – ett tiltak er å utvikle et program for økt automatisering i fiskeindustrien. Også dette kan administreres av Innovasjon Norge. Vi vil videre styrke føringstilskuddet. Føringstilskuddet muliggjør å ha mottaksstasjoner for fisk langs hele kysten. Tilskuddet er utrolig viktig for å opprettholde fiskeriaktivitet for den minste fiskeflåten, som desidert har den beste kvalitetsfisken. Regjeringen har flere ganger forsøkt å kutte ordningen, men dette er blitt stoppet i Stortinget. Dette skaper usikkerhet i berørte kystsamfunn. Til slutt også foreslå en betydelig satsing på fiskerihavner og farleder. Mange samfunn sliter virkelig nå på grunn av regjeringens manglende handling på området. Ta f.eks. Mehamn, hvor hurtigruta ikke kan snu fordi det mangler mudring i havnen. Fiskebåter kan i mange havner ikke komme til kai fordi havnen er grodd igjen. Dette skaper lite bolyst. Helt til slutt: Senterpartiet vil videreføre redusert sats 2 -avgift for fiskeriene. Vi kan ikke følge regjeringens forslag om heller å gi næringen en kompensasjon. Vi frykter dette vil gi uønskede effekter på både kort og lang

skaper arbeidsplasser i hele landet. Det norske sjømateventyret er et resultat av bl.a. god forvaltning av ressursene i våre havområder. Et godt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for en god ressursforvaltning. En annen næring som er viktig, som utgjør 6 pst. av eksporten fra Norge, er gruver og mineraler. Gruvedrift har potensial til å bli en betydelig næring i Det ligger store mineralressurser under bakken som kan bli omskapt til arbeidsplasser og inntekter for områder som sårt trenger det. Å satse på mineralnæringen er god distriktspolitikk. Det er også en viktig del av det grønne skiftet som vi trenger i norsk økonomi for å gå i en mer miljøvennlig retning. Nussir-gruven i Kvalsund, som utvinner kobber, har potensial til å bli en viktig arbeidsgiver i Finnmark. Tidligere i år ga regjeringen Nussir driftskonsesjon. Mange har forsøkt å stanse dette prosjektet, men regjeringen har nå behandlet klagene som har kommet inn, og ikke funnet grunnlag for å endre vedtaket. Fornuften har endelig seiret. Nussir vil skape mange viktige arbeidsplasser og kommer til å gi positive ringvirkninger både for lokalsamfunnet og for hele regionen i Vest-Finnmark. Dette er den største driftstillatelsen som er gitt i Norge på minst et par tiår, og noe Fremskrittspartiet har kjempet for i årevis. Verden kommer til å trenge mer og mer kobber i Da er det gledelig at vi har en næringsvennlig regjering, slik at kobberet kan utvinnes i Norge med forsvarlige miljøkrav og sikker drift. Mineralutvinningen i Kvalsund vil skje på en miljømessig gunstig måte. Regjeringen har fulgt opp løftet om å styrke mineralnæringen ved å øke støtten til både Direktoratet for mineralforvaltning og NGU de siste årene. I 2020 skal Direktoratet for mineralforvaltning få ytterligere 3,5 som bl.a. skal gå til å redusere saksbehandlingstiden for mineralnæringen. Det har vært et stort problem at det har gått årevis fra søknaden om konsesjon har blitt levert, til tillatelse har blitt gitt. Dette har blitt bedre. Saksbehandlingstiden har blitt betydelig redusert fra 2016 til 2018, og konsesjonskøen er redusert til to–tre år i 2018. Regjeringen skal prioritere å redusere saksbehandlingstiden enda mer, og det er bra. Avslutningsvis: Et annet problem med søknadsprosessen er at den kan være svært omfattende for søkeren. Det er mange departementer og instanser som er involvert, og som trenger å gi tillatelse. Derfor mener jeg det er på høy tid å strømlinjeforme søknadsprosessen, slik at det blir enklere for dem som ønsker å drive gruvevirksomhet, å komme i

ble det satt ny befolkningsrekord i nord. Men veksten viser nå tegn på å flate ut, varsler Indeks Nordland. Vi har fått noen helt andre rekorder i det siste. Vi har satt nye rekorder i befolkningsnedgang. For første gang på tolv år går befolkningen ned i alle de nordnorske fylkene samtidig. Nordland topper lista over folkeflukt. folkeflukt. I tredje kvartal mistet Nordland over 700 innbyggere, altså minus 8 per dag. Så stor befolkningsnedgang har det ikke vært registrert de siste 20 årene. Det ser ut som om regjeringas demontering og sentralisering begynner å virke skikkelig godt. I 2015 fikk NHO laget en

2040. FØLGE var bare å fortsette den politikken som var i 2016, men LEDE var å sette fart på sentraliseringen, dvs. akkurat den demonteringen som regjeringa gjør i dag. Det vil føre til 11 mrd. kr mindre i verdiskaping i nord i 2040. I et næringsperspektiv vil mer distriktspolitikk være kjempeviktig. Det er ikke nødhjelp, det er investeringer til inntekts ervervelse. Det er tre grep regjeringspartiene kunne startet med å ta. Det første var å ikke svekke rammeoverføringene så veldig til distriktene og svekke rammeoverføringene så veldig til distriktene og i nord. Eksempelvis Nordland har fått 5 mill. kr mindre i forhold til i 2015. De to andre tiltakene tror jeg jeg må ta

Dette ble til 15 ansatte for et par uker siden, da seks av dem sluttet seg til de andre fire som hadde sluttet for en tid siden. Pelsdyrfabrikkene sier at de kan omstille seg, men ikke uten støtte til omstillingen. De viktige og verdifulle biressurser fra andre produsenter av mat bl.a., og de kan brukes til andre formål. Jeg forstår at det kan oppfattes som arrogant å ikke svare på en invitasjon til å ha en dialog med en bedrift som er i ferd med å gå dukken på grunn av dårlige vedtak i regjeringen – eller fraværende vedtak. Dette ville industripartiet Arbeiderpartiet håndtert på en helt annen måte. En annen ting som opprører oss, er måten regjeringen behandler store og/eller viktige bedrifter på. Industribedriften Figgjo AS, Norges eneste porselensfabrikk, fikk nærmest over natten et påslag på fikk nærmest over natten et påslag på CO 2 -avgiften som koster bedriften rundt 900 000 kr ekstra i utgifter. Bedriften melder at hele produksjonen faktisk står i fare. De driver på relativt små marginer. Dette er, i tillegg til utgiftene, sterkt konkurransevridende – når denne typen bedrifter er fritatt for den samme avgiften i EU – fordi de foreløpig må bruke gass til herdeprosessen. Så dette er skuffende. Jeg hadde håpet at industri var høyere prioritert enn det den blir fra regjeringen. Reiselivet er

fordelaktig kronekurs. Det er også gledelig at det i årets budsjett er tydelige spor av klima. Landbruket må definitivt være en del av det grønne skiftet. Derfor var det ekstra gledelig at vi også fikk på plass det praktiske navet som ligger på Mære landbruksskole, som er en viktig del av det grønne skiftet. Som noen tidligere har vært innom, er kanaliseringspolitikken like viktig nå som den var før. før. Den må vi også hegne om videre. Venstre har også stor tro på norsk landbruk, og derfor kan vi heller ikke fjerne kritiske røster. Det handler om en demokratisk tilnærming. Noen har i løpet av debatten vært innom skogen, og en god skjøtsel av skogen er selvfølgelig viktig, både i forbindelse med langsiktige strategier innenfor drivstoff og ikke minst innenfor fangst og lagring av karbon.

16 år og på videregående skole, og som gjorde at en del fylker kom litt dårligere ut. Men jeg må få lov til å replisere til en av de foregående talerne, fru Mossleth, som sa at det er på grunn av at det er 5 mill. kr mindre til Nordland fylkeskommune, at ting er blitt som de er blitt: Det synes jeg er merkverdig når vi vet at næringslivet går godt i Nordland. hennes parti har sittet og styrt Nordland fylkeskommune i en årrekke, og det kan være grunnlag for å stille noen kritiske spørsmål til seg selv: Er det kanskje noe man har gjort, som ikke har vært helt på sin plass for nettopp å møte den utviklingen? Representanten Cecilie Myrseth brukte innlegget sitt på fiskeripolitikk. La det være sagt med en

Det er også slik at i EØS-avtalen fins det ingen reforhandlingsklausul. Enten har vi EØS-avtalen, eller så har vi ingenting. Kristelig Folkeparti har gjentatte ganger prøvd å utfordre både Arbeiderpartiet og de øvrige opposisjonspartiene på at vi går mot et valg i 2021 med en uavklart situasjon rundt EØS. EØS. Hvis representanten Myrseth ser i glasskula – hun trenger egentlig ikke å se så langt engang, hun kan se på de siste meningsmålingene – ser hun at før valgkampen starter i 2021, er Arbeiderpartiet i en situasjon med et dramatisk endret maktforhold i forhold til for åtte år siden. De partiene som ønsker en reforhandling av EØS-avtalen, er nå i flertall i forhold til Arbeiderpartiet ved slutten av 2019. Nå må Arbeiderpartiet gi næringslivet i Nord-Norge et svar. Vi var begge på Husøydagan på Senja tidligere i høst, på frokostmøtet arrangert av NHO, der representanter fra Brødrene Karlsen sa at det vil være en katastrofe for dem hvis EØS-avtalen ryker. Har Arbeiderpartiet tenkt å gå inn i forhandlinger med de partiene de ønsker å samarbeide med i en regjering, om at EØS-avtalen skal reforhandles? For næringslivet – ikke bare i Nord-Norge, men for alt eksportrettet næringsliv i Norge – er det litt av et signal å sende. Det betyr at selvråderetten over fiskeressursene våre blir satt i spill. Det betyr at importvernet for landbruket blir satt i spill. Det betyr at markedsadgangen for 70 pst. av norsk laks blir satt i spill. Nå må vi få et svar fra

fordi den har en annen vinkling på norsk landbrukspolitikk, en kritisk vinkling, en vinkling i retning av mer planteproduksjon kanskje. Men de fleste av disse organisasjonene, ja faktisk alle som jeg har sett på lista, ønsker distriktene vel og ønsker levende bygder. Disse merknadene tror jeg har vært et arbeidsuhell fra de fleste partier, skulle likt å høre de forskjellige partienes syn på merknaden. Var det noe som gikk under radaren, eller står de for den merknaden? I så fall er vi inne på ganske ville veier for styring av meningene til organisasjonene. Tenk om vi hadde en slik situasjon i kulturkomiteen. Hva er det vi skal styre av meninger der? Her er vi ute på ville veier, og når det gjelder Senterpartiet i denne saken, skiller vi lag lag i jordbrukspolitikken og i innstillingen. De går altså enda lenger. Det er litt skremmende. Som jeg ser det, kan også denne merknaden – i hvert fall fra Senterpartiet – bli en boomerang seinere. Faktisk er det sånn at i denne sal gjelder det veldig mange. Og jeg tror kanskje at ved neste korsvei, om et par år, kan landbrukspolitikken være snudd en del. Hvem skal vi da høre på? Hva er den sittende regjerings politikk? Er det stortingsflertallets politikk? Vel, hvis det er stortingsflertallets politikk – og da henvender jeg meg litt til en av representantene i salen som jeg kan kikke på akkurat nå, uten å nevne navn – er det da sånn at f.eks. Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk får 1,6 mill. kr i støtte? De har altså en politikk som ikke helt følger stortingsflertallets syn. De vil ha ut ulven.

Det har vært flere positive momenter i dagens debatt. Et av dem som jeg vil trekke fram, er at det er veldig bra at representanten Myrseth fra Arbeiderpartiet i sitt innlegg har oppdaget og ga uttrykk for at det er stor aktivitet og går godt på kysten. Det er faktisk nye toner fra Arbeiderpartiet. Det har vært en helt annen tone når en har reist rundt i Troms og Finnmark. Så må jeg kommentere et par punkt som fiskeriministeren også har prøvd å redegjøre godt for. Det er helt feil at regjeringen har foreslått å fjerne føringstilskuddet. Føringstilskuddet skal ikke fjernes, men finansieres på en annen måte. Til representanten Åsunn Lyngedal, som hevder at regjeringen har stanset all satsing på fiskerihavner: Reis til Gamvik, reis til Kamøyvær, reis til Finnmark fylkeskommune og spør hvor mye prosjekteringsmidler de har til fiskerihavner. De har aldri opplevd maken. Til representanten Adelsten Iversen: var ikke store utfordringer med Mehamn før moloen ble bygd i 2018. Da dukket det opp, og da ble det et farledsprosjekt fordi det ble utfordringer for Hurtigruten. Først av alt, bare slik at vi får oppklart det, slik at det ikke er

fangst som er hausta eller levert i strid med føresegner som er fastsette i eller i medhald av lova her, eller deltakerloven, tilfell vedkomande salslag, eller staten dersom fangsten ikkje fell inn under omsetningsretten til salslaget. Dette gjeld utan omsyn til om tilhøvet medfører straffansvar. Departementet kan i forskrift fastsetje reglar om handsaming av slike saker, korleis verdien av fangsten skal om det kan gjevast vederlag for kostnader ved ilandføring, og om kva salslaga kan bruke slike midlar til.» Det er korrekt gjengitt i lovteksten, så det er ikke noen misforståelser om hvem som eier eller ikke eier denne fangsten. Jeg har et par ting jeg bare ønsker å kommentere etter et par av innleggene, slik at det er sagt. Representanten Myrseth etterlyste i sitt innlegg hvorvidt man kommer med tiltak eller ikke når det gjelder fiskerikriminalitet osv. Ja, vi har gjort en rekke tiltak for å avklare og iverksette tiltak knyttet til ulovligheter innenfor næringen. Derfor har man fått Derfor har man sørget for at man i forbindelse med kongekrabbesaken i Finnmark også har jobbet på tvers av disse og brukt lang tid for å avdekke den kriminaliteten som er. Derfor hadde a-krimsentrene nettopp denne gjennomgangen i forbindelse med lofotfisket og avdekket handlinger der som er i strid med det vi ønsker å bli forbundet med. Derfor kommer det høring fra undertegnede knyttet til fisketurisme, nettopp for å sørge for at vi kommer med nye tiltak for å sikre at vi har kontroll med denne næringen her også, uten at det går på bekostning av den verdien som skapes i fisketurismebedriftene. Men vi må ha kontroll på våre system. Det går veldig bra i Norge, men det går altså ikke bra med eksporten av sjømat uten at vi har på plass en god og aktiv handelspolitikk. Derfor har vi de siste årene fått på plass viktige handelsavtaler med Indonesia og Mercosur. Vi har også inngått flere brexit-avtaler med Storbritannia, og nettopp arbeidet med markedstilgang er veldig høyt prioritert fordi vi skal selge disse fantastiske produktene våre. Da vi opplevde algekrisen tidlig i mai, iverksatte vi tiltak, og det er faktisk veldig få som har kommet med noen som helst kritikk i forbindelse med det, nettopp fordi vi lyttet til næringen og sørget for å få på plass gode tiltak.

Hovedmålet for Brønnøysundregistrene er at virksomheten skal føre til at samfunnet har tillit til at registrerte data er sikre og korrekte. Gjennom nye initiativ, samarbeid og gjenbruk av data spiller Brønnøysundregistrenes registerløsninger en betydningsfull rolle for innovasjon og for en effektiv digital samhandling mellom ulike aktører. Regjeringen satser i Brønnøysund og på Nå jobbes det med ny registerplattform, som regjeringen har gitt klarsignal for – et prosjekt på over 1 mrd. kr i ramme. Videre er det gitt klarsignal til nytt bygg til Brønnøysundregistrene. Så er vi klar over utfordringene som ligger fram i tid når det gjelder økte kostnader til husleie samt økte forvaltningskostnader til dobbel drift av nye og gamle registerløsninger. gjorde her på Stortinget ved å styrke hver av geoparkene med 1 mill. kr til hver av dem. Dette gjelder Geo Norvegica i Telemark, Magma i Rogaland og Trollfjell i Nordland og Trøndelag. Kombinasjon av vern, bærekraftig utvikling og lokalsamfunnenes involvering gjør geoparkene stadig mer populære. Til slutt må jeg trekke fram EØS-avtalen, som jeg tør påstå er den aller viktigste avtalen for næringslivet i hele Norge, og spesielt for næringslivet i Distrikts-Norge. 75 pst. av norsk eksport går til

Automatisk godkjenning av norske produkter, som under EØS-avtalen er framstilt i samsvar med EUs eget regelverk, vil bortfalle. Det betyr at tekniske handelshindringer, som i moderne økonomier ofte spiller en langt viktigere rolle enn toll, gjenoppstår – herunder bortfall av veterinærregime, som sikrer at norsk eksport av norsk sjømat slipper veterinærkontroll på grensen til EU. Det bør ikke være tvil om at å tukle med EØS-avtalen og sette den i spill, vil være å sette flere tusen norske arbeidsplasser på spill – arbeidsplasser som i stor grad finnes i distriktene. Høyre vil ikke sette norske arbeidsplasser og samfunnet i Distrikts-Norge i fare med å sette EØS-avtalen i spill.

utnytte bedre, eller bruken av skogressursene og andre temaer som har vært oppe. Det er kanskje de viktigste departementene vi har, som skal skaffe den verdiskapingen som velferdssamfunnet vårt hviler på. Det som fikk meg til å ta ordet, var innlegget til representanten Kårstein Eidem Løvaas. Han var opptatt av formuesskatt. Det er tydeligvis noe som det skal snakkes om fra regjeringspartiene i dag. Han var opptatt av forholdet mellom Jernia og Biltema og mellom Lundetangen og Ringnes. Det er merkelig – nå skal vi vedta det sjuende budsjettet som er lagt fram av denne regjeringa, og regjeringspartienes representanter beskriver skattepolitikken som håpløs. Det er nå rart i seg Men det som jeg synes er veldig alvorlig, er det forsøket på villeding eller den mangel på kunnskap som representanten gir uttrykk for, for sannheten er at verken Jernia eller Biltema betaler formuesskatt, verken Lundetangen eller Ringnes betaler formuesskatt. Ingen bedrifter betaler formuesskatt. Formuesskatt i Norge er en personskatt, og det er altså ikke en straffart, som noen taler om. Det står ikke omtalt i straffeloven, skatteloven. Grunnen til at nordmenn betaler skatt, er at det skal bidra til velferd, og de skal ha sine barn på skolen, de skal ha sine foreldre på institusjon når de blir gamle, osv. Det er altså ikke intellektuelt redelig. Det andre som representanten Eidem Løvaas var opptatt av – og representanten Reiten nå nylig – var å prøve å skremme folk med Ja, det er faktisk sånn at når vi snakker om den norske modellen og alle de angrepene som den nåværende regjering har på den norske modellen, er det ett element i den norske modellen som kanskje andre har utfordret mer, og det gjelder nettopp muligheten for internasjonal handel i et av Europas mest eksportavhengige land. Nei, de kan ta det helt med ro. Arbeiderpartiet er helt stø når det gjelder EØS-avtalen, på linje med Fellesforbundets medlemmer, på linje med Fellesforbundets landsmøte og på linje med velgerne til Senterpartiet. De kan stole på at vi kommer til å stå på EØS-avtalen. Alt annet er bare skremsler som det ikke er grunnlag for.

og setter i gang med en milliardsatsing. Men vi skal videre, og vi håper å få med oss flere partier. På lørdag var det en interessant artikkel i Aftenposten som gikk på de store geografiske forskjellene i mange land.

Det er et større underskudd i handelen med utlandet enn det noen gang har vært. I fjor var vi nede på negative minus 250 000 mill. kr, og det ser ut til at vi kommer til å sette rekord i år. Grunnen til at differansen mellom eksport og import er så viktig, er at det er det som er bidraget til å finansiere velferden Mange søreuropeiske land havnet i den knipa at man over tid måtte finansiere velferden gjennom låneopptak. I Norge unngår vi det på grunn av en post på statsbudsjettet som heter bidrag fra oljefondet. Men det er jo det som er kjernen i omstillingen, at vi skal unngå å havne i den klemma når oljeinntektene etter hvert blir mindre.

Alle større eller mindre saker har betydning, og da tenker jeg at om de tre ministrene som er i salen i dag, kan legge inn et lite ekstra gir, skal i hvert fall vi fra opposisjonen bidra til å få opp disse viktige budsjettene. De kan ikke være på det nivået de er på nå hvis vi skal ha velferd å leve av i morgendagen og i årene som

Pelsdyrfôrlaget og Pelsdyralslaget. Begge de to hadde møte med min statssekretær. Jeg var ordfører fra 2007 til 2013. Jeg hadde ganske mange departementet. Jeg opplevde ikke da å få møte statsråden direkte, dessverre, ei heller fra Arbeiderpartiet, men jeg hadde stor forståelse for at det hendte til og med når jeg skulle komme som ordfører, at jeg ikke klarte det fordi statsråden hadde andre ting å gjøre. Det handler ikke om vilje til å få det til, men jeg sendte statssekretæren nettopp fordi jeg mente det møtet var så viktig. var så viktig. Så har jeg lyst til å slå et slag for Sandtrøens innlegg om bruk av skog spesielt, og bruk av tre. Der støtter jeg ham helt. Det gjør at vi også har lagt inn i jordbruksavtalen nettopp mer bruk av tre, fordi vi tror det er viktig. Vi premierer på en måte dem som velger å bygge i tre innenfor landbruket. En ser store muligheter for å bruke det også i kommuner, tenker jeg, å være kloke i måten å planlegge på for kommunale bygg. Det samme tenker jeg for bruer og samferdsel – det er et stort potensial. Det er i tillegg gjenvinnbart, så sånn sett er det også bra for klimaet. I tillegg til at vi både planter og bruker skog, binder vi også karbon. Det er jeg med og støtter opp om. Det gjør også at vi har vært opptatt av tømmerkaier og tømmerveier, nettopp fordi vi ser at det er en næring vi har bruk for i landet vårt, og vi må bruke enda mer.

kutt i ferjeruter, i båtruter, i bussruter, i tannlegetilbud, kutt i linjetilbudene i videregående skole. Og det stemmer at nedtrekk i tjenestetilbudene er veldig vanskelig for Senterpartiet, fordi vi er den klareste motmakta til regjeringas sentraliseringspolitikk. Vi vil faktisk ha mer distriktspolitikk. Senterpartiet vil ikke sentralisere offentlige arbeidsplasser og tjenester. Vi trenger dette samspillet mellom det offentlige og det øvrige næringslivet for å ta ut verdiskapingen i hele landet. Det har vært snakk om sjømat og fiskeripolitikk i dag. dag. Det er viktig å få varene fra kysten og ut til markedet. Det vil bl.a. si at vi trenger mer penger til fylkesveier. Regjeringas hundre millioner til viktige næringsveier er så lite at første gang jeg hørte dette beløpet, trodde jeg at det var starten på det beløpet som Nordland skulle få. Det hadde jo vært en liten start. Men det var det beløpet som hele Norge skulle dele på. Senterpartiet ønsker 1 mrd. kr som en start på fylkesveisatsingen. Det ligger inne i vårt budsjett. Fra kyst til marked: Da er også fiskerihavnene viktige. Jeg hørte representanten Strifeldt Det er faktisk sånn at ingen av de nordligste fylkene, Trøndelag eller Møre og Romsdal ønsker å underskrive denne avtalen, fordi denne reformen er helt fantastisk underfinansiert. Faktisk er 75 pst. av fiskerihavnene som ligger inne i NTP, i De fire-fem nordligste fylkene får til sammen 120 mill. kr på deling for å overta fiskerihavnansvaret. Det ingen verdens ting når man vet at Nordland har investeringer for over 1 mrd. kr. Troms og Finnmark har investeringer på 1 mrd. kr. Da blir det å skryte av prosjekteringsmidler særdeles svakt.

den argumentasjonen som blir lagt til grunn fra regjeringspartienes side, forvente at andelen norsk eksport som går til de landene, hadde økt. Men det stikk motsatte har jo skjedd. Andelen norsk eksport som går til de landene, er blitt redusert. Ja, norsk eksportdel i markedet har økt, men norsk eksport til en del andre områder i verden har økt enda mer, både fordi vi har viktige internasjonale kjøreregler gjennom Verdens handelsorganisasjon, og fordi Norge gjennom EFTA har inngått handelsavtaler med en rekke land i verden, noe som har bidratt til at vi har sørget for å utvikle et marked for norsk eksport. Når en hører lovprisningene av EØS-avtalen, skulle en tro at land etter land i verden sto i kø for å inngå et eneste land. Men det er mange land som inngår handelsavtaler med EU. Bare i løpet av de siste fem årene har 16 nye land inngått handelsavtaler med EU. Men det er ingen av de landene som har valgt EØS-avtalen. Det er land som har sørget for bedre vilkår for handelen med EU, men som samtidig har vært opptatt av at den modellen som EØS er, er en uklok modell. Vi må både sørge for gode vilkår for handel og sørge for å være herre i eget hus. Vi må kunne sørge for å ha styring over vår egen distriktspolitikk, vår egen energipolitikk og vår egen industripolitikk – viktige rammevilkår for både folk og

Då fekk NOAH null kroner. Det er Framstegspartiet som har kjempa inn at NOAH – for dyrs rettigheter får statsstøtte. Ein skal vera forsiktig med å referera kven som har sagt kva i ei innstilling, men eg føler jo at representanten Nævra tillegg meg æra av å ha ført dette i pennen. Det kan eg godt men eg trur at komiteen har visst veldig godt kva ein har gjort. Og det må jo gå ei grense: Skal det vera ein rett for «dyrenes frigjøringsfront» å få støtte over Landbruks- og matdepartementets budsjett? Er det f. eks. Helse- og omsorgsdepartementets plikt å finansiera vaksinemotstand? Nei, eg meiner ikkje det, eg meiner det er lov å stilla nokre vilkår. Og ein vert jo ikkje knebla

medlemer, det meiner eg er viktig. Og eg ønskjer altså meir støtte til 4H og mindre til NOAH. Det kan ikkje vera særleg kontroversielt. Så ein liten kommentar til pelsdyrerstatninga: Representanten Skjelstad prøvde seg på ein frekkis med at Senterpartiet ikkje har lagt inn kompensasjon til pelsdyrnæringa i vårt alternative budsjett. Eg er nokså sikker på at viss me hadde gjort det,

For veldig kort tid siden fikk vi lagt fram en NOU om fiskerikontroll. Det konkluderes med at kontroll med ulovlig fiske feiler i alle ledd. Det er lite og dårlig kontroll, og det fører med stor sannsynlighet til at aktører som driver med ulovlig omsetning av fisk, kan utkonkurrere lovlige fiskere og selskaper. Jeg ville ha brukt litt mer tid på å ta inn over meg de utfordringene som næringen står som vi alle står framfor. Dersom man ikke klarer å ta på alvor bekymringene som kommer, er jeg usikker på om man klarer å gjøre noe med problemene. Jeg tenker at det trengs mer enn kaffe på fiskeriministerens kontor for å løse disse utfordringene. Representanten Ebbesen var opptatt av at vi ikke må snakke ned næringen og utviklingen i landsdelen som vi har til felles, Nord-Norge. Jeg vil minne representanten om

kommunale næringsfond. Jeg vil si at det kanskje kun er i denne salen at en representant fra Høyre kan klappe seg på brystet og være fornøyd med Nord-Norge-satsingen, for i Nord-Norge klappes det virkelig ikke. Til representanten Reiten: Jeg er stolt over den historien Arbeiderpartiet har vært med på å føre, også når det gjelder fiskeripolitikken. Når det gjelder EØS-avtalen, kan man gjerne lage mange stråmenn rundt Arbeiderpartiets politikk, men det blir ikke mer sant av det. Vi står fast på EØS-avtalen. Dette er også interessant at representanten Reiten i går uttalte seg om føringstilskuddet. Det som står i Fiskeribladet, er: «Det er neppe nok penger i fiskesalgslagenes «inndratte midler fra ulovlig fangst» til både å finansiere en framtidig fiskerikontroll og føringstilskudd. Det går ikke an å bruke de samme pengene to Nesvik sier at vi skal ha føringstilskudd, men fakta er: Stol på Steinar Reiten. Man kan ikke bruke penger to ganger. Representanten Steinar Reiten har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Reiten har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det er riktig at det er kommet to forslag til hvordan inndratte midler skal brukes – til å finansiere føringstilskudd og til å finansiere styrket kontroll. Da må regjeringspartiene se på det i fellesskap, se hvorvidt de midlene strekker til, og eventuelt gjøre For øvrig er det veldig kjekt å høre at Arbeiderpartiet er så tydelige i sin støtte til EØS-avtalen og gir garanti for at den skal videreføres. Men realitetene ligger fortsatt fast: Legger vi dagens meningsmåling til grunn for hva som kan bli valgresultatet i 2021, er det et overveldende flertall på den siden av streken der Arbeiderpartiet hører til, for i det minste å reforhandle EØS-avtalen og aller helst erstatte den med noe annet. Det er realiteter som Arbeiderpartiet må forholde seg til, og vi er alle veldig spent på hvordan valgkampen i 2021 blir på det

med mer eller mindre heldig utfall. Det gjelder f.eks. hvordan Preikestolen ble brukt som kulisse, og markedsføringen av den. Men det jeg hadde lyst til å si, er at disse insentivordningene i veldig stor grad går ut på å trekke utenlandske turister til Norge. Da er mitt store spørsmål: Hvorfor ikke tenke på insentivordninger som gjør at nordmenn faktisk blir i Norge? Det burde være et nærliggende ønske, et nærliggende og interessant spørsmål. Jeg tok det opp, i mitt gamle liv, med Innovasjon Norge, og jeg synes kanskje at dette skulle vært tatt opp på nytt for å se hvilke muligheter man har, f.eks. når det gjelder tv-programmer. Veldig ofte er det dokumentarer som gjør at folk ser ting fra Norge, som skaper interesse for å være i Norge, for å reise i Norge – også utlendinger hvis det er gode produksjoner som går ut. Jeg vet ikke om flertallet i salen kjenner til det, men det var faktisk Joanna Lumley med sitt nordlysprogram som skapte den store interessen for vinterturisme i Nord-Norge. Det var sånn det begynte, og så kom hvalen og det ene etter det andre. Men det var starten i stor grad. Det jeg ønsker meg fra næringsministeren, er at han tar en liten prat med kulturministeren og ser om det er muligheter for noen støtteordninger rundt produksjoner i Norge som er interessante for markedsføring av Norge – i Norge – men også for utlendinger hvis det er bra nok. Jeg er fullstendig klar over problematikken rundt skillet mellom børs og katedral. Den er åpenbar. Men det kan hende det finnes ordninger som på en eller annen måte kunne markedsføre Norge, som får nordmenn til å bli her i landet. Det hadde vært en fin bonus for sånne programmer.

sagt. Jeg håper virkelig at Fremskrittspartiet for en gangs skyld kan ha makt og gjennomslagskraft i regjeringen til faktisk å påvirke den forskriften som nå er iverksatt, for det vil være uendelig plagsomt og ille for de menneskene som er berørt av ordningen som ligger i den forskriften. Det andre er at en også var åpen for gjerne å ville sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for norske sjøfolk på norsk sokkel og i norske farvann.

2 -avgift og fjerning av unntak for en rekke industribedrifter. Næringsministeren lener seg på en merknad fra finansinnstillingen, som sier: «Flertallet ber regjeringen vurdere hvorvidt det finnes muligheter innenfor regelverket til å frita kvotepliktige virksomheter for CO 2 -avgift på naturgass mv.» Det burde vært undersøkt lenge før regjeringen iverksatte det, så lenge det står så tydelig i klimaforliket at dobbeltvirkemidler ikke skal iverksettes, eller i hvert fall bør unngås. Det er en merkelig inngang fra Høyre i denne debatten. Til Venstre – som prøver å framstå som et grønt parti i en mørkeblå regjering – vil jeg si at det er noe svakt argumentert for at dette betyr veldig store endringer i klimautfordringene eller i klimagassutslippsreduksjonene, og det burde vært lagt langt sterkere virkemidler inn enn det. Kaka tar kanskje allikevel diskusjonen om føringstilskudd eller ikke føringstilskudd. Det var i hvert fall godt å høre at representanten Reiten konkluderer med at pengene ikke kan brukes to ganger. Det er bra. Men når han gjentatte ganger tar opp Arbeiderpartiet og forholdet til EØS-avtalen, kan jeg forsikre om at Arbeiderpartiet står støtt på EØS-avtalen. Vi har sagt at vi ønsker å utrede handlingsrommet, ikke minst overfor norske arbeidstakere, i tilknytning til EØS-avtalen. Det synes jeg er en særdeles klok tilnærming til en viktig avtale for Norge. Til representanten Nævra: Arbeiderpartiet har ikke behandlet søknader fra enkeltorganisasjoner i tilknytning til innstillingen. Jeg mener vi har en bred og fin inngang til støtten for organisasjoner under Landbruksdepartementet sånn som det ligger. Som faglært grafiker burde vel jeg, kanskje mer enn noen andre, vite at alt som står i avisene, ikke er

uttaler: «Vi har invitert statsråd Olaug Bollestad til Sirevåg, men har ikke fått svar. Det synes vi er veldig spesielt». Jeg velger å tro at styrelederen i Pelsdyrfôrlaget snakker sant, men det som forundrer meg litt, er at når statsråden tar ordet, er det for å korrigere meg og ikke for å forklare hvorfor denne typen bedrifter ikke har fått noen signaler om omstilling. Jeg skal ikke dra det lenger enn det, men jeg vil bare si at jeg vet ikke om representanten Reiten er til å stole på, men jeg vet vi kan stole på at han vil fortsette å skremme velgerne med Arbeiderpartiet.

Så stor tilbakegang har ingen fylker i landet hatt siden 1997. Det er et varsko. Selv om det går bra på enkelte områder, er det ting som gjør at man må se dette i helhet. De tre ministrene som sitter her, representerer viktige områder i landsdelen, enten det er fiskeri, landbruk eller industri, for ting henger sammen. Jeg vil starte med fiskeri. Det er for henger sammen. Jeg vil starte med fiskeri. Det er for så vidt ikke fiskeriministerens ansvar, men det har betydning for det: Jeg registrerer at fiskerihavner nå blir kastet ut fra samferdsel og over til fylkene. Det må vi følge nøye med på, for det vil bli store utfordringer når det ikke følger med midler. Jeg vil bare nevne det. Når det ellers gjelder fylkene, henger det også sammen, både økonomien til fylkene, henger det også sammen, både økonomien til kommunene og økonomien til fylkene er viktig med hensyn til næringsvekst. Det er klart at når Nordland fylke må kutte rammene sine med nesten 500 mill. kr, er det galt nok, men når en i tillegg tar alt av regionale utviklingsmidler bort fra fylkene, vil det ha betydning innenfor alle disse områdene. Det vil i hvert fall ikke være med og bremse det med at ungdommen forlater landsdelen, og det går jeg ut fra at ingen av oss i denne salen ønsker skal skje. Jeg registrerer at noen prøver å lage det til en EØS-sak med hensyn til Arbeiderpartiet. Jeg kommer fra Nordland. Der vet vi hvor viktig EØS-avtalen er, så ingen bør i hvert fall være i tvil om hva Arbeiderpartiet mener der, selv om noen prøver å spille den saken opp. Så til kuttene som er foreslått for Investinor. Jeg ble sittende på flyplassen i Bodø i Jeg ble sittende på flyplassen i Bodø i dag, litt forsinket. Da kom det en næringsaktør bort til meg og lurte på hvor jeg var på tur hen. Jeg sa jeg var på tur til Stortinget. Ja, sa han, da kan du ta med et budskap til Stortinget: Det vi mangler som investorer og gründere, er å få midler med oss i den fasen når vi skal starte opp. Fiskeriministeren kjenner godt til den mannen, for jeg tror han skal dit og åpne bedriften hans i Mo i Rana, TAG Sensors, uti februar. Han sa den tøffeste tiden var de to første årene – å klare å få tak i kapital. Han måtte ut av landet for å få den. Når han først fikk den, lyktes han. Men storparten av hans bedrift, som han skal etablere i Mo i Rana, sitter med utenlandske eiere, for det var ikke kapital å få i Norge. De signalene må vi

det er ikke rart, for Arbeiderpartiet har foreslått å øke den ganske dramatisk, sammen med sine andre rød-grønne venner av ulik størrelse. Det er klart at det er ikke det næringslivet trenger nå, det er ikke det næringslivet etterspør. Så at det blir en debatt om noe Arbeiderpartiet ønsker å øke ganske formidabelt, er ikke rart i det Og så var det da representanten Andersen, som mente at jeg ikke forsto at formuesskatt er noe som eieren betaler – det er ikke noe bedriften betaler. Nei, det vet jeg aldeles utmerket. Men vi i Høyre liker å se sammenhengen mellom eierskap og bedrift, og vi ønsker norsk eierskap, og vi ønsker at de som eier en bedrift, skal slippe å måtte ta ut fra bedriften i år med underskudd for å betale en formuesskatt som dem de konkurrerer med, slipper. Det er den urettferdigheten og den straffen man får for å være norsk eier, vi refererer til. Det henger nemlig sammen med hvem som eier en bedrift. Så er jeg glad for Arbeiderpartiets EØS-garanti. Den er det for så vidt heller ingen grunn til å tvile på. Det som er grunn til å tvile på, er om de vil ha store nok muskler i et regjeringssamarbeid til å få gjennomslag for at dette skal bestå. så vidt heller ingen grunn til å tvile på. Det som er grunn til å tvile på, er om de vil ha store nok muskler i et regjeringssamarbeid til å få gjennomslag for at dette skal bestå. Senterpartiet tok ordet ved representanten Gjelsvik, som snakket om at det var ikke noe problem for landet å få til avtaler med EU, for det var mange land – jeg tror det var 16 land – som hadde fått til det. Det er kjempefint at man kan få til en handelsavtale med EU, men hva med de tre andre frihetene? Hva med fri

Det blir også litt dyrere alkohol med Senterpartiets budsjett, men det kompenseres jo, for når man da drar til Sverige for å handle enda mer, har man i hvert fall billigere bensin og diesel på veien. Så vil jeg rette opp en feil i replikkvekslingen mellom Senterpartiets representant Pollestad og Høyres representant Ebbesen, der Senterpartiet sa at de ikke ville legge ned Valgdirektoratet, de ville bare flytte funksjonen til Oslo. Vel, de vil legge ned Valgdirektoratet og ønsker at Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta over den funksjonen – altså politisk kontroll over frie valg, slik vi ble advart mot av internasjonale råd da det var valgobservatører i Norge. Det er klart at internasjonale råd klinger godt i Senterpartiet, men det kan også være greit å minne Senterpartiet om at dette var et Senterparti-initiativ under daværende minister Åslaug Haga.

ein betre deal for Noreg. Ein kan sjå på land som har gjort andre avtalar med EU og komne betre ut av det. Sør-Korea f.eks. har ein betre avtale. Skal vi ikkje sjå på det? Nei, vi skal ikkje sjå på det. Vi skal hegne om EØS-avtalen, uansett kva. Det er spesielt. Det har vore interessant å følgje med på Venstre, som sit i ei regjering som står for omtrent det motsette av det Venstre representerer – i alle fall det dei har sagt at dei representerer: eit miljøvennleg parti, opptatt av liberale verdiar. Her har vi eit statsbudsjett der ein i det heile ikkje klarer å kome klimamålsettingane som Noreg har, i møte. 12 pst. kutt innan 2030 er kva ein styrer mot, i ein situasjon der ein skulle vore oppe i 40 pst. kutt i klimagassutslepp. Høgre ønskjer å gjere dette til eit spørsmål om formuesskatt, som om det nokon gong har vore eit spørsmål for næringspolitikken. Formuesskatten har aldri generert nye arbeidsplassar. Det seier regjeringa sjølv. Regjeringa sine eigne studiar viser det. Viss ein er

Nasjonalt og lokalt eierskap er en viktig del av løsningen, uten at regjeringspartiene ser ut til å ha tatt innover seg dette. I regjeringen er sympatien større for europeiske interesser enn norske. Gjennom seks år har regjeringen sentralisert arbeidsplasser, tjenestetilbud, økonomiske ressurser, makt og innflytelse. Innen offentlig sektor har regjeringen til dels og fått gjennomslag for sentraliserende reformer i kommunesektoren, sykehussektoren, høyskole- og universitetssektoren, politiet, skatteetaten og fengselsvesenet. Distriktene blir tappet for arbeidsplasser, velferdstjenester og innbyggere. Lokalbanker bør heller ha kapitalkrav som gir rammer for at verdiene kan bli skapt og forvaltet på mindre steder, framfor det regjeringen foreslår. Nærhet til beslutninger bidrar til bedre kunnskap om konsekvensene. Dette velger regjeringen å se bort fra. Kortreist, fornybar energi er et enormt konkurransefortrinn og et gode for innbyggere og næringsliv, men EUs interesser er viktigere enn norske, må vite. Avstanden mellom regjeringens og Senterpartiets inngang er altså enorm når det Der vi ønsker å åpne for mer aktivitet og ikke avgiftsbelegge over en lav sko, er regjeringen rask med å innføre næringsfiendtlige avgifter over natta. At regjeringspartiene ikke ser forskjellen på å skatte av et overskudd og å avgiftsbelegge all aktivitet, er ille. Regjeringen har i denne perioden gitt distriktsnæringer, som landbruket,

økte avskrivninger for driftsmidler og en rekke andre tiltak som bidrar til å styrke norsk næringsliv i hele landet – 10 mrd. kr i et grønt investeringsselskap, satsing på skognæringen og den maritime næringen, og satsing på forskning- og klimafond i landbruket er også viktig for verdiskaping i en av de viktigste landbaserte næringene. Reduserte avgifter kommer alle og hele landet til gode – for arbeidsplasser og verdiskaping nær folk.

og fortrinn i utviklingen framover i Norge og sier samtidig at produksjonen må være mer bærekraftig og gjøres på en miljømessig forsvarlig måte, og det er noe vi støtter fullt ut. Likevel legger statsråden dette fram som om det utelukkende er noe som skal skje i framtiden, selv om vi vet at det finnes utprøvde metoder og utstyr og forskjellige løsninger som er både miljømessig forsvarlig og bærekraftig, sammenlignet med en del av utfordringene man ser i tradisjonell Statsrådens eget parti i Nordland har tatt til orde for bedre tilrettelegging for innovative næringsaktører som har løst utfordringen med lakselus og rømming, og som samtidig kan vise til sterkt redusert dødelighet hos fisken. Vi vet også at avfall fra fisk kan samles opp og gjenvinnes til energi i forskjellige former. Men dersom det ikke legges til rette for at bedrifter som benytter ny teknologi kan få utvikle seg og sørge for at veksten i havbruket skjer på en mer bærekraftig måte,

og til en sterkt redusert pris. Flere av regjeringspartiene på fylkesnivå har foreslått dette. Venstre mener at det bør deles ut 50 sånne miljøkonsesjoner. Landbaserte anlegg trenger som kjent ikke konsesjon. Vi mener derfor at miljøkonsesjoner, eller hva man ønsker å kalle dem, til havs må være svært rimelige, sånn at veksten vil skje der. Statsråden har tidligere i svar og i debatter vist til Meld. St. 16 og at man der har sagt at prekvalifiseringsvilkår basert på f.eks. særskilt miljøvennlig teknologi, som det her er snakk om, er mindre aktuelt. Men det er nå en del år siden den meldingen kom. Det har vært en sterk utvikling siden da, og vi vet at dette kan fungere. Trafikklyssystem alene løser ikke luseproblematikken, man risikerer at grønne områder raskere blir gule eller røde når veksten der øker raskere enn tidligere. Derfor vil det være riktig å gå inn for miljøvennlig teknologi som et prekvalifiseringsvilkår til f.eks. 50 konsesjoner, og det er nok noe regjeringen vil få støtte for både i egne rekker, hos opposisjonen og i befolkningen. Representanten Geir Pollestad har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Eg hadde tenkt å ta ordet fleire gonger i denne debatten, om ikkje anna for å slå fast det det er vorte sådd tvil om: Kan me stola på representanten Reiten? Eg vil slå fast at me kan stola på representanten, og at han alltid er vel førebudd og har lese sakspapira sine. Når representanten Reiten etterlyser meir EØS-begeistring i opposisjonen, veit han kva han har å gjera dersom han vil oppnå det. Desse debattane kan verka å gå i sirkel, men det er difor eg har lyst til å knyta ein kommentar til at ting som har vore diskuterte før, no vert realitetar. Lat meg ta lov om god handelsskikk. Det har vore mange rundar her – no er me på behandlinga av den lova. Så me får velja å tru at desse debattane har eit føremål. Eg har lyst til å takka komiteen for debatten.

avgifter: En snakker fint om at en skal ha stabile og gode rammevilkår. Ja, det er ganske utrolig, fra et flertall som har gjort det til sin arbeidsmetode at med stadig økte avgifter skal landet bygges. Det har blitt rekordhøye avgifter i Norge – ifølge finansministeren 6,3 mrd. kr i økte avgifter med dette flertallet. Det er avgifter som rammer folk og næringsliv i hele Norge. Mange av avgiftene har kommet uten forvarsel, uten tilstrekkelig utredning og uten dialog med dem det berører, og så skal en i ettertid med en utredning forsøkt å se på innretningen på avgiftene for at de ikke skal ramme så hardt som de i utgangspunktet har gjort. Et eksempel er avgiften på ikke-alkoholholdige drikkevarer, der en økte avgiftene med over 40 pst. over som en skulle komme tilbake igjen med en utredning av. Den utredningen skulle gjelde deler av avgiften, og nå kommer en altså i statsbudsjettet til å konkludere med at avgiftsøkningen skal stå uforandret. Til tross for at en rekke tradisjonsrike bedrifter i Norge, bryggerier, sliter og opplever røde tall og må gå til oppsigelser, beholder en avgiftsøkningen. Representanten Skjelstad står her og snakker om vilkår for reiselivet.

Sakene nr. 4–8 vil bli behandlet under ett. Sakene er andre gangs behandling av lover og gjelder lovvedtakene 10–14. Ingen har bedt om ordet. Før Stortinget går til votering, er det

henseende.

kan

dermed

Da er det

Det er på langt nær

tiltak eller ikke når det

Før Stortinget går til votering, er det noen permisjonssøknader som skal behandles. Representanten Hanne Dyveke Søttar , som har vært permittert, har igjen tatt sete. Det foreligger to permisjonssøknader: fra Høyres stortingsgruppe foreligger søknad om at Liv Kari Eskelands permisjon endres til å gjelde fra og med 9. desember til og med 13. desember fra Miljøpartiet De Grønnes stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Une Bastholm fra og med 9. desember og inntil Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt. Fra 1. vararepresentant for Oslo, Per Espen Stoknes , foreligger søknad om fritak fra å møte under representanten Une Bastholms permisjon den 10. desember av velferdsgrunner. Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknaden behandles straks og innvilges. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden slik: For Hordaland: Sigurd Hille

forslag nr. 33, fra Åshild Bruun-Gundersen på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti forslagene nr. 34–37, fra Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet forslagene nr. 38–40 fra Ingvild Kjerkol på vegne av Arbeiderpartiet

forslag. Det er forslagene nr. 1–13, fra Geir Pollestad på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 14 og 15, fra Geir Pollestad på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslagene nr. 16–18, fra Terje Aasland på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 20–24, fra Torgeir Knag Fylkesnes på vegne av Sosialistisk Venstreparti Presidenten opplyser om at forslag 19 ikke ble tatt opp. Representanten Geir Pollestad har bedt om ordet. Eg trekkjer forslag nr. 9. Da er forslag nr. 9 trukket. Det